U-landenes andel av den totale importen av landbruksvarer har økt noe de siste årene, herunder også importen fra de 64 nulltollandene. Hovedårsaker er en sterk økning av importen av blomster fra Kenya etter at landet ble innlemmet i nulltollordningen samt økt import av kaffe. Namibia, Botswana og Swaziland har også en særordning for handel med jordbruksvarer, med bl.a. mulighet for tollfri eksport av 3 700 tonn storfekjøtt uten bein. Til sammenligning – og jeg synes det er viktig – er EUs import av storfekjøtt fra disse landene til sammen rundt 9 000 tonn. Vårt importregime er altså langt mer generøst enn EUs om vi tar hensyn til at folketallet i EU er på 500 millioner mennesker. Samtidig er storfekjøtt en sensitiv landbruksvare for Norge, og størrelsen på kvotene er satt ut fra en avveiing mot norske produksjonsinteresser. Utviklingsland er ikke en ensartet gruppe land. Takket være store investeringer i landbrukssektoren er flere land nå konkurransedyktige på verdensmarkedet og er blitt store eksportører av mat. Samtidig ønsker andre u-land å øke matproduksjonen, primært med tanke på egen selvforsyning. I WTO-forhandlingene krever disse landene å beholde tollsatser av Jeg mener at landbruksbistand er et viktig virkemiddel for å støtte u-landene i oppbyggingen av sitt eget landbruk. Regjeringen legger opp til å øke støtten til utviklingen av landbruket framover med spesiell vekt på klimatilpasset landbruk. Denne satsingen framkommer i den nylig framlagte Meld. St. 14 for 2010–2011, Mot en grønnere utvikling – om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken. Importvernet er et svært viktig virkemiddel for å sikre at vi har et levedyktig landbruk i Norge. Importvernet er en forutsetning for å kunne sikre avsetningen av norske landbruksvarer og oppnå fastsatte priser i jordbruksavtalen. Dette er grunnlaget for en tilfredsstillende inntektsutvikling i jordbruket. Importvernet er slik sett nødvendig for å sikre et norsk landbruk. Samtidig vil økt produksjon og økt handel med landbruksvarer kunne bidra til økonomisk vekst og økt matsikkerhet i mange

butikkene. Jeg kan jo begynne med å takke for et «søtt» svar. La meg gripe fatt i et par av de tingene som også statsråden tar opp. Vi er hjertens enige når det gjelder viktigheten av å fjerne eksportsubsidier. Det var jeg klart inne på i mitt første innlegg, og det synes jeg også statsråden var tydelig på i sitt innlegg. Problemet er at avtalen som er oppnådd så langt, sier at eksportsubsidier skal fjernes innen 2013 dersom man får på plass en ny WTO-avtale. Når Norge samarbeider aktivt med land som Japan og Sveits, som på mange områder kan sies å motarbeide det å få på plass en WTO-avtale, er dette med på å forlenge tiden for eksportsubsidier. Eksportsubsidier er en historisk anakronisme. Eksportsubsidier holder den eksportsubsidier. Eksportsubsidier er en historisk anakronisme. Eksportsubsidier holder den fattigste delen av befolkningen i en rekke land nede i fattigdom, og det er beklagelig at Norge ikke er en pådriver for å få på plass en ny Så er det helt sikkert morsomt for statsråd Brekk å være vitne til en interpellasjon fra en Høyre-mann som er kritisk overfor EUs politikk, i så måte EUs jordbrukspolitikk. Vi kan sikkert være helt enige

Norge, med 43 tonn i året. To år etter var det oppe i 200 tonn. Det fikk regjeringen til å vedta at det skulle settes et tak på 400 tonn tollfritt sauekjøtt fra Namibia, Botswana og Swaziland. Dette er land som alle Logikken var derfor åpenbart at det må finnes et tak for hvor rike verdens fattige land skal få lov til å bli når de handler med Norge. Statsråden slår seg også på brystet når det gjelder import av storfe uten bein. Ja, jeg er enig i at taket er høyt. Men hvorfor er det et tak i det hele tatt? Ønsker statsråden at det skal være et tak for hvor rike fattige land skal være når man handler med Først ønsker jeg å oppklare en del åpenbare misforståelser som framkommer i representanten Gitmarks siste innlegg. Det er ikke slik at Japan, Sveits eller G10-landene, inklusiv Norge, er motstandere av en WTO-avtale, som det nettopp ble uttalt fra talerstolen. Nei, alle disse landene deltar alle disse landene deltar aktivt for å sikre å få til en WTO-avtale. Men vi prøver alle – alle aktører blant de 153 landene som er medlem av WTO – å ivareta egne interesser, og da er importvernet en viktig bit av den diskusjonen. Men alle de landene har vært enig i å avvikle eksportstøtten, som vi diskuterer her i dag. Jeg må si det sånn at sånn at jeg er fullt ut i stand til å reise til Genève umiddelbart – når som helst – for å delta i en avslutning av WTO-forhandlingene. Men jeg tror nok at det er andre aktører enn Norge og G10-landene som i dag holder igjen på det å få til slike avtaler, bl.a. de landene som er opptatt av frihandel, USA bl.a., som har bomullssubsidier. Det er mange land som ivaretar sine egne interesser, ikke bare u-landene, men også de rikeste landene. Og det er ingen land som ønsker å avvikle sin egen matproduksjon. Derfor blir dette komplisert, derfor blir det nødvendig å ha grundige diskusjoner, og i dag tror jeg kanskje industrivarer er en større utfordring enn de tradisjonelle landbruksvarene i WTO. Så må jeg bare få gjenta at vi har meget sjenerøse vilkår for import av kjøtt fra både Namibia, Botswana, DAC-landene og MUL-landene. Og hvis vi sammenligner oss med med EU, som jeg prøvde å gjøre i mitt første innlegg, har Norge, sett i forhold til folketallet, en relativt sett enormt mye høyere importkvote enn det EU f.eks. har. Så ingen må komme til meg og si at vi ikke følger opp de fattigste landene i vår praktiske politikk. Når det gjelder importen av sukker – for å gå tilbake til det importen av sukker – for å gå tilbake til det – har jeg understreket at her er det norske aktører som bestemmer, det er norske kommersielle aktører som bestemmer vår egen import. import. Jeg har vært i kantinen her i dag og sett på hva slags sukker vi serverer våre egne representanter i Stortinget. Det er Dansukker og et fransk brunt sukker. Kanskje kunne Stortinget selv ha gjort en større innsats for å importere fair trade-produkter, eller produkter fra Mosambik, som det sies. Det er en valgmulighet som alle har. Men det koster kanskje litt mer. Det koster kanskje også litt mer for Stortinget å sørge for at man bruker slikt sukker. Det er et ansvar vi alle sammen må ta, mener jeg faktisk. Interpellasjonen her i dag omhandlar import av sukker frå u-land til den norske marknaden. Interpellanten brukte òg delar av innlegget sitt til å snakka om kampen mot fattigdom. Då klarar eg ikkje heilt å dy meg, for eg må berre få tilføya at det finst parti òg her i Stortinget som ikkje akkurat favoriserer auka bruk av bistandsmidlar i budsjetta sine. Og det er vel nettopp dette partiet representanten Skovholt Gitmark ønskjer eit nærare samarbeid med, viss eg ikkje har misoppfatta noko. Men eg skal la det liggja. Interpellanten har utvilsamt eit poeng i denne interpellasjonen – det skal eg gi han. Eg er òg veldig einig i det som landbruksministeren sa no til slutt. Alle vi har eit val, vi kan gjera val når det gjeld kva for sukker vi

og at vårt handelsregime gir utviklingslanda ein fordel ved import til Noreg. Men trass i betydeleg tollfridom er importen av jordbruksvarer frå dei fattigaste u-landa svært avgrensa. EU er jo Noregs viktigaste handelspartnar for landbruksvarer, med rundt 70 pst. av importen. av importen. Og for sukker, som for anna, er summen av konkurransedyktige prisar, kvalitet og logistikk viktig årsak til det vi vel. Eg er òg einig med dei som sa at utviklingsland ikkje er ei einsarta gruppe. Eg meiner at landbruksbistand er eit viktig verkemiddel for å stø u-landa, nettopp i oppbygginga av landbruket sitt, for det gjeld så mykje, mykje meir. EU har ei eiga marknadsordning for sukker, som omfattar produksjonskvotar med høgare prisar enn verdsmarknaden, og i tillegg produksjonsuavhengig støtte. Det vart sagt her at det tidlegare var omfattande eksportstøtte til desse produsentane, men eg har forstått det sånn at denne eksportstønaden dei seinare åra har vore under avvikling. Det var vel bestemt at det skulle vere avvikling innan 2013, viss ein fekk på plass Så ja, eg synest at avviklinga av eksportsubsidiane faktisk er eit veldig viktig tema, som vi kanskje diskuterer litt for sjeldan her i denne sal. Auka produksjon og auka handel med landbruksvarer vil sjølvsagt bidra til økonomisk vekst og auka mattryggleik i mange u-land. Regjeringa ønskjer, som det vart sagt her frå landbruksministeren si side, gjennom vår preferanseordning å leggja til rette for at ein større del av importen av landbruksvarer faktisk kjem frå dei fattigaste landa. Så vil eg òg understreka at Noreg har eit betre importregime, som er rausare enn det EU har. Så kan vi sjølvsagt diskutera medlemskap eller ikkje i EU Men eg vil tru at det er få her i denne salen som ville ha stemt for medlemskap. Det er kanskje berre underteikna og ein representant til i salen akkurat no, så eg får vel la det liggja. Det er et viktig tema representanten

Tanzania gikk til valg på at Tanzania skulle bli bistandsuavhengig i løpet av to år dersom han skulle komme til makten. Det er nok veldig ambisiøst. Men poenget er altså at ved subsidiering hindrer Europa – og USA, for den saks skyld – Afrika i å komme på banen når det gjelder matvareproduksjon og matvareeksport, og så tilbyr vi u-hjelp isteden.

matvarene. Ifølge EU-kilder koster EUs felles landbrukspolitikk skattebetalerne over 3,9 milliarder pund årlig, slik at britiske husholdninger betaler over 823 pund i året ekstra i utgifter til dagligvarer som følge av EU-subsidiene. Hvorfor de gjør dette, er vanskelig å forstå, å forstå, og spesielt når man ser at subsidiene i enkelte tilfeller er høyere enn markedsprisen på det samme produktet. Det vil altså si at alle taper: Skattebetalerne taper på det, staten taper på det, u-landene taper på det.

men det hjelper nok ikke så mye, for markedsmekanismene virker jo slik at det er en samlet vurdering av pris og kvalitet – som statsråden også selv var inne på – som ligger til grunn for det valget som tas. Derfor er det jo i praksis ingen som velger å kjøpe et «dyrere» produkt fra Afrika når de kan kjøpe et produkt som er subsidiert så til de grader – og europeiskprodusert – at det produktet fremstår som billigere enn det afrikanske produktet. En slik økonomisk politikk skaper altså mye rot, og det skaper tapere. Frihandel er vinn-vinn-situasjonen. Det er da man får produsert varene på riktig sted,

eit veldig viktig spørsmål som blir teke opp, og det er eit spørsmål som eg har interessert meg for i mitt politiske arbeid. Eg synest her at representanten Skovholt Gitmark avleverer ein treffande kritikk av EU sin landbrukspolitikk og EU sin handelspolitikk, og den kan eg fullt ut slutta meg til. Så det som vi er einige om, og som eg trur det er brei einigheit om – det ser det ut til

også i Nordisk Råd. Nordisk Råd har no bestemt seg for at dei ønskjer å sende ut ei felles utsegn til EU sitt arbeid med å revidere sin landbrukspolitikk. Ein av dei tinga som Nordisk Råd så langt har vore einige om at dei ønskjer å seia tydeleg og klart frå om med omsyn til EUs landbrukspolitikk, er at dei må avvikle eksportsubsidiane sine. Så der har både Skovholt Gitmark og alle dei andre representantane ei moglegheit til å snakke med sine fraksjonar i Nordisk Råd og få ei tung, klar utsegn frå Nordisk Råd mot EU sin landbrukspolitikk på akkurat det området. Så må ein jo meine litt forskjellig på dei andre områda, dersom ein måtte ha behov for det. Men så synest eg også at dette eksempelet seier litt om at det ikkje er nok å fjerne importrestriksjonane for å hjelpe u-landa til å kome inn på marknaden. Som det blei sagt her frå ministeren, har vi jo ikkje toll på sukkerimport, men likevel kjem dei ikkje inn på marknaden. Du har jo ein ting, det som vi har vore inne på, det med å unngå dumping frå dei landa som har økonomisk moglegheit til å drive med det. Men det andre, som eg veit at fleire har vore opptekne av, er rett og slett at land som f.eks. Noreg må gå i konkret samarbeid med eit utviklingsland og bidra til produktutvikling. Noreg, som ein av moglege importørar av eit produkt frå eit utviklingsland, vil då vite noko om kva for kvalitet som norske og eventuelt andre europeiske marknader legg vekt på i produkta. Så det at Noreg gjennom u-hjelp og landbrukssamarbeid og på kva måte det måtte vere, går inn og driv eit konkret, praktisk produktutviklingsarbeid saman med utviklingslanda, er det veldig mange av dei som eg har vore i kontakt med, som etterlyser. For nokon i utviklingsland som driv med bl.a. landbruksvarer, er som driv med bl.a. landbruksvarer, er poenget ikkje berre å kome inn på den internasjonale marknaden. Faktisk er det mange bønder i utviklingsland som slit med å kome inn på kjedene i sitt eige land. I enkelte utviklingsland har dei faktisk begynt å få ein del kjedemarknader, utanlandske kjeder, som dominerer detaljhandelen. Det at bønder og andre produsentar i utviklingsland slik at dei kan ha ein produktkvalitet som gjer at dei kan slå gjennom både på den internasjonale og den nasjonale marknaden, er faktisk eit av dei grepa eg trur vi kan gjere meir av enn vi har gjort hittil. Dersom det er noka tid igjen, har eg lyst til å kome med nokre kommentarar til det som gjeld vekst. Som både eg og utviklingsministeren veldig ofte har sagt, er det heilt opplagt, etter den utviklinga vi har sett dei siste ti åra, at det er vanskeleg å seie imot påstanden om at vekst skaper betre forhold for alle, sjølv om du ikkje i første omgang klarer å fjerne forskjellane. Men du hever nivået for alle, og når du gjer det, får du ofte større interesse for politikk, som også kan brukast til å slåss for betre fordeling etter kvart. Så vekst er positivt. Men det er også eit poeng der: For dei landa som er i ein oppbyggingsfase, Så vekst er positivt. Men det er også eit poeng der: For dei landa som er i ein oppbyggingsfase, må ein også diskutere frihandelen litt, for det er viktig at dei får fri tilgang til våre marknader. Men samtidig må vi, i alle fall i ein overgangsfase, akseptere at dei beskyttar sine marknader som dei skal byggje opp. Det gjorde jo vi då vi bygde opp våre industritradisjonar. Då beskytta vi våre marknader i oppbyggingsfasen, og

sine sårbare område. Så dette er ikkje ein opplagt frihandelsargumentasjon, men ein blandingsargumentasjon. Sukker er en vare som ikke ilegges toll ved import til Norge, verken fra i-land eller u-land. Alle land har derfor i utgangspunktet like betingelser for eksport av sukker til det norske markedet. Importørene avgjør selv fra hvilke land de ønsker å importere, ut ifra kriterier som konkurransedyktighet på pris, kvalitet på sukkeret og logistikk. Jeg regner med at dette er en politikk som Høyre er enig i. EU har en egen markedsordning for sukker som omfatter både produksjonskvoter med høyere pris enn verdensmarkedet og i tillegg produksjonsuavhengig støtte. Tidligere ga EU også omfattende eksportstøtte til produsentene. Denne eksportstøtten har de siste årene vært under avvikling, bl.a. som følge av et pålegg fra et WTO-panel. Nå er Høyre vanligvis ikke det partiet som ønsker å sette seg opp mot EUs handelspolitikk, men jeg ønsker dem hjertelig velkommen til å bidra til en mer rettferdig internasjonal handel. Men dessverre virker det som om Høyre heller ønsker at vi i Norge skal legge oss på rygg for EU og subsidiere vår import til fordel for EU: Importvernet er et viktig virkemiddel for å sikre at vi har et levedyktig landbruk i Norge. Importvernet er en forutsetning for å sikre avsetningen av norske landbruksvarer og oppnå fastsatte priser i jordbruksavtalen. Dette er også viktig for å sikre inntektsutviklingen i jordbruket. Importvernet er slik sett nødvendig for å sikre et norsk landbruk. I Senterpartiet er vi opptatt av at vi ikke skal gjøre utviklingsland til kun råvareleverandører, men heller hjelpe til slik at de kan bygge opp egen videreforedling av råvarer. Økt produksjon og økt handel med landbruksvarer vil kunne bidra til økonomisk vekst og økt matsikkerhet i mange Senterpartiet mener det er viktig å legge til rette for at en større andel av importen av landbruksvarer kommer fra de fattigste landene. Med tanke på at vi i Norge importerer rundt halvparten av vårt forbruk av landbruksvarer, er det rom for et langt større innslag av u-landsvarer i butikkene.

er overbyggingen. Det handler om muligheten for å utvikle land, økonomi og mennesker fra status quo og inn i noe annet. Det «annet» er nettopp økonomisk vekst som drivkraft. Jeg mener det er svært viktig at Norge, Sveits, Japan og resten av landene vi samarbeider med i WTO, viser forhandlingsvilje. Er det ett punkt Norge har vist liten forhandlingsvilje på, er det nettopp innenfor statsrådens eget departement, hvor han har stor handlefrihet. Jeg er helt enig med statsråden i at det er bra at norske forbrukere får valgmuligheter, og det er bra at det også kunne komme fair trade-produkter knyttet til Stortinget. Men den store innvirkningen som både EU og Norge kan ha, kommer først og fremst hvis vi får på plass en ny frihandelsavtale som gjør at man kan konkurrere på like fot, hvor eksportsubsidiene forsvinner, og hvor ikke minst importrestriksjoner blir begrenset i større grad enn de er i dag. For det hjelper ikke med bare fagre ord – og dette er til representanten Heggø – og bistand når man ikke tillater handel med nettopp de produktene blant produsentene, og det er i all hovedsak landbruksprodukter. Den normale syklusen for en økonomi er nettopp at man starter med produksjon og eksport av landbruksprodukter. Så går man videre i en prosess hvor man går til mekanisk industri, og kommer videre opp til teknologiske varer helt til slutt. Det er den syklusen som de aller fleste land har fulgt etter andre verdenskrig. Det er den syklusen vi må forvente at dagens minst utviklede land følger. Ett siste poeng: Norge har

vesentlig bedre enn EU. Dette er ikke ment å være en interpellasjon som går i strupen på EU. Dette er en interpellasjon som sier at det er mulig at Norge bruker den norske stemmen til å hente mennesker ut av fattigdom, også ved å være bidragsyter med vår nasjonale politikk. Jeg takker for debatten. Jeg synes det har vært interessant. Jeg synes det er politikk. Jeg takker for debatten. Jeg synes det har vært interessant. Jeg synes det er bra at vi i denne salen har denne typen debatt. La meg bare kommentere en liten ting om overproduksjon av melk i Norge og de påstandene som har kommet om eksportsubsidiene våre. Det er riktig at det har vært fokusert på osteeksporten de siste dagene. I 2009 fikk man 11 kr per kilo ost i

La meg trekke noen konklusjoner på grunnlag av debatten. For det første må vi innse at importvernet gir dyrere matvarer. Men importvernet er en forutsetning for å kunne sikre avsetning av norske landbruksvarer og å oppnå fastsatte priser i jordbruksavtalen. Det er også en grunnleggende forutsetning for tilfredsstillende inntektsutvikling i jordbruket. Importvernet er slik nødvendig for å sikre et norsk landbruk. Jeg har ennå ikke hørt at Høyre vil avvikle importvernet i Norge. Samtidig er det viktig å understreke at Norge har preferanseordninger. I Samtidig er det viktig å understreke at Norge har preferanseordninger. I tillegg til importvernet har vi preferanseordninger som tilrettelegger for import fra de fattigste landene. Sammenliknet med EU, som vi har diskutert litt i denne saken, er disse ordningene relativt omfattende. Preferanseordningene gjelder de fattigste landene, hvor behovet for investeringer i landbrukssektoren er særlig stor. Med tanke på at vi, som nevnt, importerer omtrent halvparten av våre landbruksvarer, bør det være rom for et langt større innslag av u-landsvarer i butikkene. Det er jeg helt enig i, og det tror jeg representanten Skovholt Gitmark også er enig i. Den samlede virkningen av ulike importlettelser må være på et nivå som er forenlig med målsettingene for vår egen landbrukspolitikk, som er et aktivt landbruk i hele landet. Vi må innse at det er motsetninger i denne diskusjonen. Klimaendringer og press på naturressursene gjør at kanskje den største utfordringen framover globalt vil være å produsere nok mat til å brødfø den stadig økende befolkningen. Som sagt har FAO beregnet at matproduksjonen må øke med 70 pst. innen 2050 for å holde tritt med befolkningsveksten. For å greie det må politikerne legge til rette for å utnytte ressursene for matproduksjon der de finnes, også i dette landet vi er beboere av. landet vi er beboere av. Det vi virkelig trenger, er å få folk ut av fattigdom, og da trenger vi å produsere mer mat. En milliard mennesker sulter. Da må alle land ta ansvar for å utnytte sine ressurser. Handel med mat er jeg ikke motstander av. Handel med mat må være et supplement, et tillegg, for å utnytte ressursene enda bedre og å sørge for at vi greier å få fordelt denne viktige ressursen best mulig. Vi skal produsere mer mat i Norge. Vi skal importere det vi ikke har forutsetninger for å lage selv. Da er utfordringen å importere mer fra fattige land og å øke landbruksbistanden. Dermed er debatten i sak nr. 5 avsluttet. Mitt anliggende med interpellasjonen kan uttrykkes ganske enkelt: Energipolitikken skal gi oss sikker energiforsyning over hele landet og lavere utslipp og

Jeg vil utdype dette. Det første målet jeg refererte til, er sikker energiforsyning over hele landet. Det trenger ingen lang presentasjon, med referanse til bl.a. tidligere debatter her i salen. Snøsmeltingen er i gang i fjellet, magasinene fylles, og vi kan trekke et lettelsens sukk for at det heller ikke denne vinteren ble nødvendig med rasjonering. Energiforsyningen i Midt-Norge er usikker fram til Ørskog–Fardal er på plass. Denne forbindelsen må derfor på plass så raskt som mulig. Situasjonen i Bergensregionen er også vel kjent. Den skal også falle på plass ifølge regjeringen gjennom linjeutbygging, men planer om nettforsterking gjennom Hardanger kom så sent at det som etter mange av de regionale stemmenes mening var det mest miljøvennlige alternativet, ikke kunne velges. Det andre målet jeg refererte til, var målet om en bærekraftig energiforsyning med lavest mulig utslipp og miljøkonsekvenser. Den 14. juni 1989 fikk Norge sitt første klimamål. Stortinget sluttet seg for første gang til et mål om å begrense utslippene av klimagasser. Målet var å stabilisere utslippene av CO2 innen 2000. Det skjedde ikke. Siden har vi hatt Kyoto-forpliktelsene å jobbe med. Men nå er det tiden fram til 2020 som er neste etappe med klimamål, når klimaforliket har slått fast at utslippene skal reduseres til 42–44 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Det var et tøft mål da det ble satt i klimaforliket i januar 2008. Det skulle gjøres på bare tolv år. En fjerdedel av den tiden har gått, og uten å åpne alle tidligere debatter om framdrift i klimapolitikken vil jeg bare fastslå at det begynner å haste om man skal ha muligheten til å komme i nærheten av målene. Med unntak av konjunkturbetingede reduksjoner i som nå etter finanskrisen, så har klimagassutslippene i store trekk økt i hele 20-årsperioden. Vi har altså i et 20-årsperpektiv mislyktes med klimapolitikken. Og i et 20-årsperspektiv må vi selvsagt alle ta ansvar for det – alle som har vært med på å styre landet i den perioden. Jeg skal derfor ikke gjenta mine og Kristelig Folkepartis betraktninger om regjeringen i den anledning. Det er viktig å erkjenne at over 70 pst. av klimagassutslippene er energibruk. Dette er energibruk som kan effektiviseres, men som også for det meste kan erstattes med fornybar energi. Dette bildet reiser betydelige spørsmål til energipolitikken. Når to så sentrale mål ikke er oppfylt, må innholdet i politikken For 20 år siden ble energisektoren deregulert og markedsmessige prinsipper ble innført. Det norske kraftmarkedet ble etter hvert til et nordisk marked, og det har igjen dannet mønster for andre land. Markedet skulle da sørge for energiforsyningen gjennom fri prisdannelse og aktører som vurderer investeringene kommersielt. Nett og produksjon ble atskilt, og utbygging av nett skulle vurderes ut fra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Innføringen av kraftmarkedet var et riktig grep, og det ble en suksess. Imidlertid er det slik at alle sektorer lever i en balanse mellom styring og marked. I alle sektorer vil denne pendelen svinge og justeringer gjøres for å finne den optimale balansen ut fra de erfaringene vi gjør oss. Slike debatter har man til stadighet også i denne salen, på ulike områder og sektorer. Det er flere eksempler på at ved reformer med deregulering og innføring av marked har behovet meldt seg for å justere inn noe i ettertid. Ja, det er flere eksempler, det er vel nesten heller en regel uten unntak. Det klassiske bildet er at når pendelen slår over fra regulering til marked, deregulering, så slår den først langt over, for så å måtte justeres noe inn igjen. Et eksempel på dette var finansmarkedene, der finanskrisen synliggjorde behov for sterkere regulering nasjonalt og internasjonalt, der det bl.a. i ettertid kom forsterkede krav til likviditet og kapital i bankene for å forhindre nye kriser. Statnett har ansvar for sentralnettet – riksveiene i strømnettet vårt. Som en del av liberaliseringstankegangen som preget energipolitikken på 1990-tallet, ble Statnett gitt en formålsparagraf basert på såkalt samfunnsøkonomisk rasjonell drift og utvikling av sentralnettet. Det innebærer at det regnes på prosjekter ut fra såkalte samfunnsøkonomiske lønnsomhetskriterier. Det innebærer bl.a. at klimamål, distrikts- og regionalpolitiske mål og andre viktige samfunnsmål i mindre grad tas med i betraktningen. Det tenkes med andre ord helt annerledes om nett som infrastruktur enn hva det f.eks. gjøres om infrastruktur innen transport. For å sette det på spissen så tenkes det i andre sektorer på å bygge landet når vi bygger infrastruktur, men på dette området er det kalkulatoren som har det endelige ordet. Dette reduserer også politikkens handlingsrom for raskere å utløse de endringene vi politisk ønsker. Kraftmarkedet var på mange måter en suksess. Samtidig ser vi 20 år senere at markedet ikke har klart å sørge for forsyningssikkerheten. Jeg tror det er behov for at vi hever oss over den klassiske diskusjonen om hvem som har skyld for hva ut fra hvem som styrte i hvilke perioder, og at vi evner å løfte blikket til et mer overordnet nivå og

som ytterligere kan illustrere dette, er de nevnte klimamålene for 2020, som i stor grad dreier seg om nettopp energi. Under svært heldige omstendigheter kan det i beste fall ta sju-åtte år å etablere et nytt kraftverk med fornybar energi. Det er åtte og

Det sier seg selv at det krever et sterkt politisk grep i hele denne perioden for å sikre at vi kommer i mål. Hvordan skal all nødvendig fossil energibruk fases ut i denne perioden, ren energiproduksjon etableres like raskt, tilhørende nettutbygging, samtidig som energibalansen sikres i alle landets regioner? Det holder altså ikke å fase ut tilstrekkelig fossil energi. Den rene energien som kommer til erstatning, skal komme på riktig sted i forhold til den som fases ut, slik at det ikke oppstår regional ubalanse. Og alt dette på åtte og et halvt år. Dette spørsmålet handler om den stasjonære energiforsyningen, og i særdeleshet om utslippene på sokkelen, som har store punktutslipp og forbrukere av energi. Men det kan også gjelde f.eks. reduksjon av oljefyring, som med god planlegging burde være noe av det minst krevende å komme i mål med. Innenfor transport er forsyningsstrukturen annerledes, og det er andre problemstillinger, men der er det også betydelige utfordringer. Vi vet ennå ikke hvilke forpliktelser fornybardirektivet vil medføre for Norge, men hele tenkningen i direktivet peker uansett i samme retning: strengere styring mot en omlegging som krever sterkere politisk grep. at man gjennom Ot.prp. nr. 62 for 2008–2009, i forrige periode, tok en del grep for å få økt politisk fokus på nettutvikling. La meg så mot slutten supplere med et av de viktigste grepene som dette må innebære: Kraftmarkedet skal fortsatt være et premiss i energipolitikken. Det synes likevel åpenbart at det trengs en overordnet nasjonal plan, som sikrer at det kan skje omlegging av energiforsyning og energibruk slik at klimamålene nås, samtidig som man sikrer forsyningssikkerheten i alle regioner. Med andre ord: Det trengs en nasjonal energi- og klimaplan. Og med mindre den kommer raskt, vil klimamålene nok en gang lide nederlag, og det bør vi ikke ha råd til. Innføringen av et marked for elsertifikater, som nå er til behandling, er en viktig og etterlengtet milepæl for utviklingen av ny fornybar energi. Det vil også endre forutsetningene for prognosene om forsyningssikkerheten. Det er nå flere røster som uttrykker bekymring for at det faktisk kan bli for mye kraftproduksjon i Norden på lengre sikt. Det er knyttet usikkerhet til dette. Men i forhold til en mer prinsipiell debatt om marked og styring i energipolitikken, er jo dette et markedsbasert virkemiddel. Det er et bra virkemiddel, men det er også verdt å merke seg at vi ikke vet hvor kraftproduksjonen om den kommer der vi trenger den, der vi skal redusere den fossile energien, og der vi trenger den ut fra et forsyningssikkerhetsperspektiv. Det er derfor mange tegn i tiden som peker i samme retning: Vi trenger en sterkere, overordnet styring i energipolitikken, vi trenger en nasjonal energi- og klimaplan, og vi trenger å løfte diskusjonen om energipolitikk til en de styringsverktøyene vi trenger for å nå de målene vi har satt oss. La meg starte med å si at representanten Håbrekke har mange interessante refleksjoner over mange viktige problemstillinger i energidebatten. Oppsummert feller han likevel en hard dom. Det mener jeg at det i hovedsak ikke er noen grunn til. Vi kan alltid bli bedre, det skal jeg komme tilbake til. Jeg har lyst til å si at regjeringen har hatt svært god styring med energipolitikken, og det har vi hatt gjennom alle årene som har gått etter regjeringsskiftet i 2005.

har gjennomført omfattende tiltak på alle områder innen energipolitikken for å bedre forholdene i kraftmarkedet i forhold til det som har vært situasjonen før 2005. Når det gjelder forsyningssikkerhet og en bærekraftig utvikling, vil jeg vise til følgende tall for å illustrere hva det er vi har gjort og oppnådd: I årene 2006–2009 ble det satt i gang produksjon

6,0 TWh, mens det i perioden 2002–2005 bare ble gitt konsesjon til anlegg med en årlig produksjonskapasitet tilsvarende 3,4 TWh, altså nær en dobling. Det ble i årene 2006–2009 gitt konsesjon til fjernvarmeprosjekt med en potensiell årlig produksjon på 2,9 TWh, mot bare 1,1 TWh i den foregående fireårsperioden, altså nesten en tredobling.

Så har det stasjonære energiforbruket vært på om lag samme nivå de siste fire årene, til tross for en sterk økonomisk vekst. Dette har bidratt til at energiintensiteten har sunket sterkt, og målt i forhold til vår verdiskaping er energibruken nærmere 15 pst. lavere i 2009 enn den var i

Det tror jeg vi er nødt til å ta høyde for i et system som er basert på vannkraft, og der forholdet mellom nedbør og temperatur har mye å si for forsyningssikkerheten. Min og regjeringens jobb nr. 1 er å sørge for et mer robust system for framtiden, som reduserer faren for denne typen svingninger og faren for denne typen situasjoner. Det har de siste årene dessuten

For å fortsette styrkingen av fornybar energi vil et felles sertifikatmarked med Sverige bli innført fra 1. januar 2012. Dette vil føre til en storstilt utbygging av fornybar energi i de to landene – til sammen 26,4 TWh. Dette er et sentralt element i regjeringens politikk både for utvikling av miljøvennlig energiforsyning og for ytterligere å bedre forsyningssikkerheten. Det er videre et sentralt element i regjeringens politikk å effektivisere og begrense energibruken. Energien kan fortsatt brukes mer effektivt. For å utnytte disse mulighetene kreves det investeringer. Det er viktig å ha langsiktige og stabile rammevilkår for arbeidet. Ved innføringen av et felles sertifikatmarked vil regjeringen sikre dette ved å la Enovas innsats særlig bli rettet mot energieffektivisering, varme og utprøving av umodne teknologier. På alle disse områdene er det fortsatt uløste

investeringer til en samlet kostnad på om lag 40 mrd. kr for de neste ti årene. Alt dette skal investeres etter kriteriet om positiv samfunnsøkonomi. Det mener jeg er grunnleggende positivt. Jeg har svært vanskelig for å se hva som skulle være alternativet til det. Vi har varslet at vi Jeg har svært vanskelig for å se hva som skulle være alternativet til det. Vi har varslet at vi ønsker å komme til Stortinget både med en stortingsmelding om nett og en stortingsmelding om energipolitikk. Fokuset i disse meldingene vil være på utformingen av energipolitikken i årene framover, også etter denne stortingsperioden. Som en del av grunnlaget for dette arbeidet har regjeringen nå nedsatt et bredt sammensatt energiutvalg.

spørsmålet om hvem som har skyld for hva, at vi løfter blikket til et mer overordnet nivå for å diskutere balansen mellom marked og styring i energipolitikken ut fra de grunnleggende målene vi har satt. Jeg er ikke helt sikker på om statsrådens svar var et svar på det, men det var likevel en gjennomgang av hva regjeringen har gjort og satt i gang. Nå syntes statsråden at jeg felte en hard dom over energipolitikken, og det gjorde jeg for så vidt. Man kan diskutere styrken i den og hvor kraftig den dommen skal være, men jeg tror ikke man kan komme unna det faktum at forsyningssituasjonen i landet ikke er den dommen skal være, men jeg tror ikke man kan komme unna det faktum at forsyningssituasjonen i landet ikke er god nok. Det er ikke akseptabelt at vi i 2011 opplever at vi går mot vårknipa med rasjoneringsspøkelset hengende over oss, og at den regionale situasjonen er som den er. Jeg føler også at statsrådens svar viser at regjeringen har gjort en del bra på fornybar energi, som er positivt i klimasammenheng. Det skal regjeringen gjerne få.

mange videre diskusjoner, men jeg står ved utfordringen. På basis av fornybardirektivet, på basis av klimamål, på basis av de tidsperspektivene vi har, og det faktum at heller ikke økningene til Enova, investeringene osv. har løst den forsyningssituasjonen vi faktisk har, til nå, så inviterer jeg til en dypere refleksjon omkring hvorvidt vi har truffet spikeren på hodet når det gjelder balansen mellom marked og styring, og hva statsrådens refleksjoner omkring det er. Jeg håper på ikke bare å høre en systemforsvarer og en olje- og energiminister, men også å møte ideologen og samfunnsbyggeren Ola Borten Moe i debatten.

Stortinget om det faktum at i et forsyningssystem som i hovedsak baserer seg på at det regner, og i et marked som er svært styrt av hvor kaldt det er ute, vil vi måtte oppleve at vi i perioder der vi får en kombinasjon av svært lite nedbør over tid og svært streng kulde flere vintre på rad, har en helt annen og langt mer krevende situasjon enn når værforholdene er motsatt. Så er det vår jobb å sørge for at systemet blir så stabilt som mulig, og at vi i den grad det er mulig, tar kontroll og kontrollerer værgudene. Vi blir også utfordret på en mer ideologisk debatt knyttet til marked, styring og samfunnsbygging. Til det har jeg å si at jeg deler analysen om min forgjenger Reiten gjennomførte, i hovedsak har vært en suksess, men at det er behov for å tenke nytt. Jeg opplever at de varslede tiltakene nå i all hovedsak er et svar på det. De grønne sertifikatene er en markedsstyrt, men svært kraftig stimulans for å få ny produksjon inn på markedet. Det vil forbedre energisikkerheten, og de varslede nettinvesteringsplanene er et voldsomt løft for å bedre infrastrukturen på transport av energi i dette landet. Utvalget som er satt ned, skal se på energipolitikken også i perspektivet etter 2020, 2030 og 2050 – det er grunn til å minne om at klimautfordringene ikke er noe som bare varer til 2020. Vi skal kanskje ta de viktigste grepene i den perioden som kommer etter det. Det tror jeg det er god grunn for denne salen til å diskutere. Så skal jeg avslutte med å si at det jeg tror vi trenger framfor alt nå, er mer av regjeringens politikk, og at vi får gjennomført på tid de tiltakene som allerede er varslet, uten at deler av opposisjonen legger altfor mange kjepper i hjulene for oss. Norge er oss. Norge er et land med en enorm tilgang på energi, og vi har store muligheter til å bygge ut mer når det gjelder olje og gass, men også av fornybar energi. Få land har så stor tilgang på energi som oss, og det må vi utnytte på en forsvarlig og bærekraftig måte. Vi har stor vannkraftproduksjon, og vi har rikelig tilgang på olje og gass. Vi har mange bedrifter og arbeidsplasser knyttet til produksjon og foredling av norske energiressurser, og regjeringen har slått fast at grønne arbeidsplasser innenfor energiproduksjon og miljøteknologi skal bli en ny vekstnæring. Dette krever sterk politisk styring. Jeg synes det er positivt at interpellanten fra Kristelig Folkeparti etterspør mer politisk styring i energisektoren. Jeg er svært enig med interpellanten når han vil ha mest mulig politisk styring over noe så viktig som energipolitikken, men jeg tror han har en utfordring når han skal få sine venner på borgerlig side med på en slik linje i norsk politikk. Fremskrittspartiet og Høyre vil jo heller gå den motsatte veien i slike spørsmål. For dem er mest mulig markedsstyring det eneste riktige på de aller fleste områdene i samfunnet. Den rød-grønne regjeringen har en visjon om at Norge skal være en miljøvennlig og verdensledende energinasjon. Regjeringen presiserer at i Norge er

For Arbeiderpartiet er det også viktig at energipolitikken innrettes sånn at inntektene kommer hele landet til gode, og slik at verdiene tilfaller fellesskapet. Derfor er også dagens hjemfallsordning for vannkraftressursene så avgjørende viktig å opprettholde. Statsråden har gitt et omfattende svar på hva slags tiltak som er satt inn, og hva som er oppnådd. Dette viser at det skjer mye på området, men behovet for kraft er også økende. Det gledelige er at det skjer en betydelig økt produksjon når det gjelder fornybar energi. Her har det skjedd en veldig god utvikling etter at den rød-grønne regjeringen overtok i 2005. Viktig er det også at vi har fått til en til en betydelig satsing på energiomlegging. Jeg er glad for at det er sterk oppmerksomhet knyttet til hvordan vi kan øke energiproduksjonen på en trygg og god måte for naturen og miljøet. Vi har her til lands ikke så mye sol å lage energi av, men vi har vann, vi har masse vind og vi har tidevann, for å nevne noe. Derfor er det et viktig signal når statsråden signaliserer ytterligere satsing på økt fornybar energiproduksjon. Også en styrking av overføringsnettet er overhengende viktig for denne helheten. Dette er særdeles viktig for å bedre forsyningssikkerheten landet over. Uten dette nytter det lite å øke produksjonen. La meg i denne sammenheng legge til at vi må innse at skal vi makte dette, må vi også kunne akseptere noen forsiktige inngrep i naturen for å få linjene fram og få kraften fram. Vi kan ikke forvente tilgang på kraft og forsyningssikkerhet i hele landet uten at dette skal merkes på noe sett og vis. Derfor mener jeg at regjeringen klarer å balansere produksjonen og linjeframføringen med en god ivaretakelse av miljøet og av naturen. Jeg ser fram til behandlingen av den kommende stortingsmeldingen om energi, og jeg er glad for at det ser ut til å være et betydelig flertall i Stortinget for en fortsatt sterk politisk styring av energipolitikken. Forrige representants innledning var bra, for han påpeker hvor mye energi Norge har. Vi eksporterer ti ganger mer energi enn det vi selv forbruker. Paradokset, derimot, er at vi har gått gjennom denne vinteren med fare for kraftrasjonering. Statnett anså kraftforsyningen som anstrengt, og strømprisene er gått betydelig opp. Det vitner ikke om en suksessfull politikk. Når en i utgangspunktet har mer enn nok av noe og likevel klarer å få det til å bli nesten en mangelvare, vitner det om at regjeringen har ført feil politikk og ikke bra politikk. Like fullt er temaet som blir reist i dag, svært viktig fordi god energiforsyning er vesentlig for et velfungerende samfunn. Det er viktig for velferden til folk flest, det er viktig for å legge grunnlaget for arbeidsplasser i næringslivet. Men altså, erfaringene med fem og et halvt års rød-grønn energipolitikk er høyere strømpriser, større fare for kraftforsyningskrise og at mer av industrien er eksponert i kraftmarkedet – det motsatte av det regjeringen lovte. Jeg er uenig med interpellanten i en del av premissene han legger for debatten, fordi han sa i sitt innlegg at markedet har ikke klart å sørge for forsyningssikkerhet. Det er det offentlige som har ansvar for forsyningssikkerheten. Spørsmålet er om markedets signal til politikerne har blitt fulgt opp politisk. Det har det ikke etter mitt skjønn. Der ligger problemet, ikke i et diffust marked. Jeg antar jeg har statsråden med meg i den analysen, fordi statsminister Stoltenberg i denne sal i spørretimen i mars i fjor sa at vi skal ikke drive og skylde på et «diffust marked», for det er ikke et marked som er mer gjennomregulert enn nettopp kraftmarkedet i Norge, og da er det et politisk ansvar. Så har vi tatt inn over oss de signalene aktørene har sendt? Nei, mener jeg, Gjennom ikke nødvendigvis så mye under dagens statsråd, for jeg får i hvert fall en følelse av at han er ganske positiv til vannkraft ikke ble bygd ut, den ble vernet. Sauda ble betydelig redusert, og også Otta ble betydelig redusert. Denne regjeringen hadde en inngang i energidebatten der småkraftverk ikke skulle få stimulans gjennom grønne sertifikater. Der har regjeringen endret politikk. Men det å stå på denne talerstolen og si at regjeringen har hatt en fast og god politikk i fem og et halvt år – da har man ikke fulgt med de siste fire årene. Det har vært en betydelig politikkomlegging – spesielt i det siste halve året – i positiv retning. retning. Derfor mener jeg at ting går bra. Derfor er jeg også positiv til den nye energiministeren, ikke basert på resultat, men basert på den retningen jeg nå ser. Men ikke kom til meg og fortell at det er de samme standpunkt som de hadde for fem og et halvt år siden. Det som er problemstillingen med dagens energidebatt, er at regjeringen har brukt fire–fem år på å prøve å finne ut hva de vil, og så ender de opp med de løsningene som Fremskrittspartiet og Høyre lenge har fremmet. Da er jeg egentlig glad, men det er allikevel

Det er ikke et argument mot grønne sertifikat, men det er et argument for at ting burde skjedd mye raskere da ting først ble lovt. Nå ser det ut som ting kommer på plass. Men det er også grunnen til at vi må kunne tolke historien annerledes enn det energiministeren gjør. Når det nå kommer mange konsesjonssøknader på plass, er det fordi rammebetingelsene endelig har kommet på plass, ikke fordi det plutselig har kommet andre ting inn i bildet som er så mye bedre.

Så er jeg veldig glad for en del av de signalene som jeg kan ha fanget opp fra energiministeren i media, fordi energiministeren da han var stortingsrepresentant, snakket veldig mye om at man skulle pålegge kraftselskapene samfunnsansvar i lovs form. Man skulle kutte kablene til utlandet. Man skulle styre magasinfyllingene. Det er ikke signalene nå. Nå er signalet at markedet, energiloven, stort sett fungerer, justeringer må på plass, og det er naturlig 20 år etter en lov ble vedtatt. Men vi skal også huske at denne loven ble evaluert under dagens regjering for bare et par, tre år siden. Da fant en altså ingen behov for store endringer, men bare justeringer. Det betyr at dagens regjering, til tross for de store ordene om at en politisk skal styre og bla, bla, bla, altså har sagt at dagens lovverk stort sett er godt nok. Det er i måten politiske signal håndterer lovverket på i forhold til å bygge ut ny kraft, at problemstillingen er. Der tror jeg ting er på rett kurs, fordi en tar mer Fremskrittsparti- og Høyre-politikk, og det er jeg glad for. Jeg registrerte at statsråd Ola Borten Moe sier at regjeringen har hatt en god styring med energipolitikken siden 2005, og jeg forstår også at representanten Bendiks H. Arnesen er av samme oppfatning. Jeg er derimot litt usikker på om næringsliv og husholdninger i deler av landet, bl.a. Midt-Norge, deler oppfatningen av at det har vært en god politikk. Men jeg registrerer at statsråden og representanten mener med denne energipolitikken. Så da vet vi vel kanskje også litt om ansvaret. Bakgrunnen for dagens interpellasjonsdebatt er at vi de siste to vintrene har opplevd en langt vanskeligere forsyningssituasjon enn normalt. Lite nedbør, problemer med kjernekraftverk i Sverige og et høyt strømforbruk har ifølge Statnett vært de viktigste årsakene til en anstrengt kraftforsyning med høye strømpriser. Dette var også bakgrunnen for et representantforslag som bl.a. interpellanten var med på, og som vi behandlet i denne sal rett før påske. Høyre deler interpellantens bekymring for konsekvensene av en anstrengt kraftsituasjon, og ikke minst er vi bekymret over situasjonen i Midt-Norge. Høyre har derfor en rekke ganger tatt opp kraftsituasjonen i Midt-Norge med regjeringen, både i form av representantforslag og i form av interpellasjoner her i denne sal. Dessverre har vi fått lite konkret handling fra regjeringen, utover at tre tidligere energiministre har gjentatt formuleringene om at de ser på saken og har dialog med aktørene, i tillegg til at de har fortsatt å skylde på den forrige regjeringen. Nå ser jeg at den fjerde energiministeren under denne regjeringen, dagens statsråd Ola Borten Moe, i Adresseavisen i dag lover en krisepakke for Midt-Norge. Men leser vi litt mer i artikkelen om hva statsråden faktisk lover, er det dessverre skuffende lite nytt. Han vil, i likhet med sine tre og vurdere om Enova skal bruke litt mer penger i regionen. Det er alt. Det er lite nytt i forhold til hva hans tre forgjengere har sagt i de snart seks årene dagens regjering har sittet med makten, seks år med nesten kontinuerlig strømkrise i Midt-Norge. Høyre har i nesten hele denne seksårsperioden etterlyst en handlingsplan for å møte kraftsituasjonen i Midt-Norge. Vi har pekt på ulike tiltak som bør inn i en slik handlingsplan, og har bl.a. foreslått at det bør kunne bygges et gasskraftverk med CO2-håndtering på Møre, der staten tar merkostnadene knyttet til rensing, dessverre uten at vi har fått gehør for dette hos regjeringspartiene. Høyre tror imidlertid ikke at det er mer politisk styring som kan gi oss en bedre forsyningssikkerhet, verken i Midt-Norge eller i resten av landet. Snarere er det den politiske styringen vi har sett, bl.a. i forhold til gasskraftverk, som har satt oss i den situasjonen vi er kommet i. Interpellanten begrunner sitt krav om mer politisk styring med at tre fjerdedeler av Norges klimagassutslipp skyldes fossil energibruk,

Derimot bør vi i enda større grad utnytte våre store ressurser av fornybar energi til å redusere utslippene i våre europeiske naboland, som nettopp har mulighet til å la mer fornybar energi fra Norge erstatte sin egen kullkraftproduksjon. Derfor var Høyre helt uenig med olje- og energiministeren at han tiltrådte, varslet at han ville ha en mer begrenset utbygging av kraftoverføringene til utlandet. Å begrense vår kraftutveksling med øvrige europeiske land er dårlig klimapolitikk, i tillegg til at det er dårlig energipolitikk og dårlig næringspolitikk. Det er nettopp en politisk styring som dette vi ikke trenger. Jeg er glad for at også interpellanten, slik jeg opplever ham, er tilhenger av en styrking av overføringsforbindelsene til våre europeiske naboland, og at han med økt politisk styring av kraftmarkedet ikke vil redusere mulighetene for økt kraftutveksling med utlandet. Det er imidlertid andre former for politisk styring som jeg oppfatter interpellanten vil ha, og der er Høyre uenig. Det gjelder bl.a. å innføre en parallell til KILE-kostnad dersom et kraftselskap ikke er i stand til å levere strøm. Det vil være et tilbakeskritt når det gjelder energiloven. Man kan nemlig ikke uten videre overføre prinsippet om KILE-kostnader fra nettet til kraftproduksjonen. I motsetning til kraftproduksjon, I motsetning til kraftproduksjon, som er en del av et marked med flere konkurrerende aktører, så er nettselskapene i en monopolsituasjon. Det blir derfor ikke riktig å sammenligne produksjon og nett på denne måten. Etter Høyres syn vil det være negativt for strømkundene. For å hindre at vannmagasinene går tomme, med svært strømpriser som konsekvens, bør overføringsforbindelsene til utlandet styrkes, slik at det kan importeres mer kraft når Norge er i en underskuddssituasjon, og eksporteres kraft i en overskuddssituasjon. Samtidig må kraftproduksjonen i Norge styrkes. Interpellanten tar opp temaer som har vært diskutert flere ganger før, nettopp fordi de er

for å komme i mål. Senterpartiets mål er tilstrekkelig kraftproduksjon, forsyningssikkerhet og like kraftpriser i hele landet. Norge har opplevd, som interpellanten rett påpeker, for andre vinter på rad høye og ustabile kraftpriser. Dette er en stor utfordring for både næringsliv og enkelthusholdninger. Kraftsituasjonen ble kraftig forverret på som følge av en sterk vekst i etterspørselen etter kraft. Særlig var dette knyttet til utvidelsen av aluminiumsfabrikken på Sunndalsøra og idriftsettelsen av Ormen Lange. Siden regjeringen tiltrådte i 2005, har den iverksatt en rekke omfattende tiltak for å bedre denne situasjonen, noe statsråden redegjorde for. Regjeringen har tatt en rekke gode grep for å bedre kraftsituasjonen, spesielt i de utsatte områdene, som Midt-Norge og bergensområdet. Kraftsituasjonen i f.eks. Midt-Norge er en kompleks utfordring. Det henger sammen med vær og nedbør, kraftproduksjon og kraftflyt fra Sverige, økonomisk vekst, energipriser, utvikling i næringsstruktur og energieffektivisering. Derfor har regjeringen, som statsråden nevnte, satt i gang en rekke forskjellige tiltak for å møte Regjeringen har tatt grep for økt forsyningssikkerhet og økt energiproduksjon og har fokusert på avbøtende tiltak for dem som ble rammet hardest. Regjeringen vil gjennomgå rammevilkårene for nedtapping av kraftmagasinene. Vi vil at regjeringen i den nye avtalen med Enova vurderer å endre formålet til også å gi mulighet for styrking av forsyningsbalansen i områder med en Det er gjennomført store investeringer i regi av Statnett – og enda mer er planlagt. Importkapasiteten er bedret. I tillegg er det iverksatt tiltak for å bedre situasjonen i utsatte områder før nye strømledninger er på plass. Senterpartiet fokuserer mye på tiltak som reduserer utslipp av klimagasser. Vi tar klimatrusselen på alvor og vil være ledende i arbeidet med å føre Norge fra det fossile til det fornybare samfunnet. Det krever, som representanten Arnesen fra Arbeiderpartiet sa, sterk politisk styring. Vi trenger å produsere mer fornybar kraft for å kunne erstatte bruk av fossil energi i f.eks. bilparken. Derfor er satsingen på energiomlegging og fornybar energi-produksjon kraftig styrket. Avtalen med Sverige om grønne sertifikater, som flere har nevnt, vil sette ytterligere fart i dette. sette ytterligere fart i dette. Ytterligere satsing, som statsråden signaliserer, er et viktig signal for å møte framtidens utfordringer på dette feltet. Det gleder Senterpartiet at også representanter for opposisjonen støtter Jeg vil avslutningsvis takke for debatten. Jeg kan nok innrømme at jeg hadde forhåpninger om at den skulle bli enda mer spennende, og at man reflekterte over de utfordringene vi har framover – men sånn er nå det. Som opposisjonsparti – vil jeg si først – forbeholder vi oss retten til sånn er nå det. Som opposisjonsparti – vil jeg si først – forbeholder vi oss retten til å påpeke det når vi mener regjeringen ikke har gjort en god nok jobb, samtidig som vi ved enkelte anledninger ønsker å reise bredere debatter for å se hva vi kan være enige om med tanke på behov framover. Til representanten Solvik-Olsen har jeg lyst til å bemerke at man kan stille mange spørsmål omkring konsesjonspolitikken, men det må gå an å kombinere kraftmarked og strenge miljøkrav – hvis ikke må det være noe feil feil med styringsmodellen. For øvrig: Når det gjelder forholdet mellom marked og styring i energipolitikken, bør det være en bred erkjennelse at forbruket kan øke i energisektoren uten at tilbudssiden rekker å reagere like raskt, siden det, som kjent, tar om lag ti år å planlegge, utvikle og gjennomføre et kraftutbyggingsprosjekt. Det er et dilemma når det gjelder markedsstyring av energisektoren som det er verdt å reflektere over. Når det gjelder Midt-Norge, skal selvsagt alle regjeringer som har styrt mens det økte forbruket i regionen ble planlagt, ta et medansvar for det. Det gjelder Hustadmarmor, Ormen Lange og i særdeleshet det største prosjektet av dem alle, utvidelsen av Hydro Aluminium ved Sunndalsøra, som, som kjent, ble planlagt over flere år. Likevel er det vel kjent at fagetatene på området ikke maktet å forutse situasjonen i tide. Hva kan vi lære av det?

energiprosjekt – vi har da åtte år igjen. Det utfordrer oss til hva slags politisk styring vi ønsker, hvis vi mener noe med målene. Jeg utfordrer ikke til noen palassrevolusjon; jeg utfordrer til en diskusjon om balansen mellom styring og marked. marked. Ikke minst utfordrer jeg til å spørre om vi ikke over alle de mekanismene vi allerede har, trenger at politikerne løfter blikket og lager noen planer som viser hvordan vi skal oppfylle disse målsettingene, der vi oppfyller klimamålene, og der vi sikrer at nett, produksjon og forbruk er i balanse i de ulike delene av landet. All erfaring viser at det kreves kreves sterkere styring og mer overordnet planlegging for å sikre det. Jeg tenker at denne debatten i hvert fall viser to ting – for det første at det er svært mange som har et engasjement i energipolitikken, og at energipolitikk er uhyre viktig, andre at det er grader av uenighet på feltet. Det er ikke noe nytt. Debatten rundt energipolitikk har vært avgjørende viktig for dette landet i over 100 år. Min spådom er at det kommer til å vare i 100 år til. Dette er et helt avgjørende felt for vårt land. ambisjon og inngang er selvsagt å bygge landet slik at forsyningssikkerheten, markedssituasjonen, tilgangen og stabiliteten skal være i tråd med «tida og tilhøva», og legge til rette for gode rammer for husholdninger, næringsliv og industri. Vi kommer til å gjøre dette med utgangspunkt i det som vi oppfatter som et velfungerende kraftmarked, men det kommer til å være med faste rammer. Bare for å si litt om de rammene som jeg mener vi har fått lagt på plass gjennom de siste fem og et halvt årene, som jeg mener er viktige – for det første: hjemfallsordningen, der vi sikrer et nasjonalt offentlig eierskap til en av våre viktigste naturressurser. Det sikrer legitimitet, og det sikrer at verdiskapingen i norske fossefall også i de kommende generasjonene skal komme hele samfunnet til gode, og ikke bare være en avkastning på kapital som noen måtte finne på å skyte inn. Vi kommer til å bygge dette på en forsvarlig og god konsesjonspolitikk. Vi har gjennom de siste årene vist at vi er i stand til å til å forme systemet etter behovene. Antallet konsesjoner er firedoblet i perioden. Så har vi har mangedoblet bevilgningene til Enova, både for å sikre energieffektivitet og for å sikre innfasing av nye teknologier. Vi har vært opptatt av det offentlige eierskapet i sektoren, på det viset at vi mener at Statkraft er et viktig virkemiddel og viktig virkemiddel og en viktig del også av norsk kraftpolitikk, og at eierskapet derfor er uhyre viktig. Og det er med stor glede vi nå kan konstatere at mange langsiktige kraftavtaler, som vår industri er avhengig av, begynner å falle på plass. Og sist, men ikke minst har vi allerede gjennomført et taktskifte når det gjelder når det gjelder planene og gjennomføringen av lenge etterlengtede kraftlinjer. Det er et taktskifte som så vidt har startet, og som vi kommer til å se mye mer av i tiden som kommer. Dermed er debatten i sak nr. 6 avsluttet. Temaet er arbeidet med fornyelse i norsk samferdsel. Regjeringspartiene har hatt makten fra høsten 2005. Til tross for økte kronebeløp i årlige budsjetter er status ved utgangen av 2010 at veiene er blitt dårligere, og at jernbanen fortsatt er i dårlig forfatning. Mange planlagte prosjekter er blitt utsatt, og andre mangler finansiering. Samferdsel er viktig for nasjonens verdiskaping og bosetting. Fornyelse innenfor samferdselssektoren forsterker verdiskaping, reduserer avstandsulemper, reduserer transportkostnader, reduserer ulykker, ja rett og slett bedrer livskvaliteten. Derfor er

at veiene er blitt dårligere, og at jernbanen fortsatt er i dårlig forfatning. Mange planlagte prosjekter er blitt utsatt, og andre mangler finansiering. Samferdsel er viktig for nasjonens verdiskaping og bosetting. Fornyelse innenfor samferdselssektoren forsterker verdiskaping, reduserer avstandsulemper, reduserer transportkostnader, reduserer ulykker, ja rett og slett bedrer livskvaliteten. Derfor er fornyelsesarbeidet innenfor samferdsel viktig. Dagens status på vei- og jernbanenettet viser et behov for omfattende fornyelse innenfor samferdselssektoren. Den første Nasjonal transportplan kom for perioden 2002–2011 og erstattet de tradisjonelle sektorplanene for transportpolitikken. Arbeidet med den fjerde NTP-en er for lengst i gang. Rullering av planen er blitt en omfattende prosess som tar fire år, med omfattende utarbeidelse av rapporter og en omfattende utredning, hørings- og møtevirksomhet over hele landet. Hva gjør regjeringen for å evaluere dette opplegget, fornye opplegget og forandre og forbedre opplegget rundt Nasjonal transportplan? Har regjeringen tenkt å la norske miljøer – eller enda bedre: utenlandske miljøer – se på det norske opplegget med NTP og evaluere og gi anbefalinger? Fremskrittspartiet anbefaler det! Fremskrittspartiet anbefaler det Fremskrittspartiet anbefaler det! Fremskrittspartiet anbefaler det bl.a. angående prosess og metodikk, når det gjelder å knytte avklart og langsiktig finansiering til investeringsplaner, og når det gjelder å sette tidsmål for ferdigstillelse av store prosjekter. Prosess og metodikk gjelder bl.a. spørsmålet om hvor detaljert en nasjonal plan på nasjonalforsamlingsnivå skal og bør være. Andre land gjør det annerledes. Mange har bedre veier og bedre jernbane enn Norge, selv om de mangler oljepenger. Kanskje det også skyldes at de har bedre planer eller følger planene på en bedre måte? Har regjeringen endringsvilje? NTP-dokumentet er nasjonal plan på makronivå. Planlegging på prosjektnivå og planlegging for å klargjøre areal til bygging av samferdselsprosjekt er nødvendig. Med dagens system er det omfattende, komplisert, forsinkende og fordyrende. Hva gjør regjeringen for å øke plankapasitet på prosjekt og arealnivå og for å forenkle planprosess på disse to feltene for å redusere tidsforbruk? I Aftenposten mandag den 18. april 2011 sa statsminister Stoltenberg: «Det tar for lang tid å planlegge nye veier og jernbane.» Han vil finne å få byggingen i gang raskere. Men har det tatt statsministeren seks år å finne ut det – seks år etter at han overtok som regjeringssjef, og med en stadig voksende pengebinge? Vegdirektoratet har i flere tiår bygget underdimensjonerte veier. Trafikktallene som ble presentert, Vegdirektoratet var for lave. Veiene ble billigere, men ikke tilpasset reell trafikkmengde. Dette fortsetter under denne regjering. Jeg viser til at vi nylig har behandlet en sak om rv. 80, hvor det altså er prosjektert bru med fire felt og vei med to felt – ett av flere ferske prosjekt med bygging av ny Blir det fornyelse av finansieringen med denne regjeringen? Regjeringens NTP – den siste – for 2010–2019 ble presentert som et kjempeløft for norsk samferdsel. Men den dekker på ingen måte behovene. Finansieringen er – utrolig nok – en flaskehals i ett av verdens rikeste land. Ett år etter at den gjeldende NTP var presentert som et kjempeløft, ville samferdselsministeren i mars 2010 ha et forslag fra om investeringer i bygging av vei og jernbane i Norge for å få til et kjempeløft i norsk samferdsel. Kanskje et forsøk på fornyelse? Det ble en rekordkort flørt med nye finansieringsordninger. Dagen etter, den 23. mars 2010, avlyste finansministeren dette. Han sa bl.a. her i Stortinget: fornyelse? Det ble en rekordkort flørt med nye finansieringsordninger. Dagen etter, den 23. mars 2010, avlyste finansministeren dette. Han sa bl.a. her i Stortinget: «I St.prp. nr. 1 for 2006–2007 drøftet Regjeringen spørsmålet om hvorvidt gjeldende budsjettpolitikk bør legges om slik at langsiktige investeringer i realkapital prioriteres framfor øvrige utgifter på statsbudsjettet. Regjeringen konkluderte også med at investeringer i veg og jernbane fortsatt skal bevilges etter gjeldende Dette er fortsatt Regjeringens standpunkt.» Så langt er regjeringens fornyelse tre separate budsjettposter – to på vei og én på jernbane. Men egen budsjettpost gir ingen avklart, forutsigbar og langsiktig finansiering. Det er nesten slik at det er tvert imot. Ser regjeringen det, og ser samferdselsministeren på finansieringsordninger for bygging av veier og jernbane i andre land som ikke har olje og gass, men langt bedre veier og jernbane enn Norge? Regjeringen har utvidet ordningen med rentekompensasjon til også å omfatte lån til opprusting av fylkesveier. Vil statsråden arbeide for å utvide ordningen ytterligere, utvide den slik at Statens vegvesen og Jernbaneverket også får rentekompensasjon, slik at de kan ta opp statlige lån til investeringsprosjekt i vei og bane, med helhetlig, avklart og langsiktig finansiering? «Byråkratene bremser vei og bane», skriver Aftenposten den 4. mars 2011. Hvorfor går utbyggingen av vei og jernbane så tregt i Norge? Ifølge en rapport er departementet selv en årsak. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT som konkluderer slik i en Ambisjonsnivået er for lavt. Rapporten reiser spørsmål om departementet er prisgitt underliggende etater som Jernbaneverket og Statens vegvesen. Difi beskriver Samferdselsdepartementet som «satt». De sier at departementet trenger kraftig omorganisering og fornyelse. Vil statsråden sørge for at også Vegdirektoratet og Jernbaneverket blir vurdert av Difi eller andre? Er også disse to etatene like «satt»? Er disse to etatene bremser i arbeidet med å fornye Samferdsels-Norge? Hvordan sikrer statsråden at dagens transportetater jakter på nye metoder og nye løsninger?

ikke minst fordi Avinor har frihet til å lånefinansiere til investeringsprosjekter. Hvorfor ikke gi Statens vegvesen og Jernbaneverket samme mulighet? Det fremstår som en underlighet at regjeringen som er så skeptisk til flytransport, samtidig viderefører en organisasjonsmodell der luftfartsetaten av de fire transportetatene faktisk er den med størst frihetsgrad. Ser statsråden på hvordan andre land har organisert seg? Ser man på hvordan vi kan fornye oss på dette området? Jeg gjentar: Erfaringene med Avinor som eget selskap er jo gode. Regjeringen bygger fortsatt vei stykkevis og delt. Eksempelet er igjen hentet fra Aftenposten den 7. april 2011 om E6 gjennom Gudbrandsdalen, med overskriften «Dyrere, dårligere og farligere». E6 gjennom Gudbrandsdalen skulle bygges i ett strekk. Nå blir det likevel utbygging etappevis. Etappevis utbygging gir variable hastigheter, variabel veikvalitet og høyere risiko for trafikkulykker. Hvilke grep tar regjeringen for å sikre helhetlig utbygging? Hvilke grep tar regjeringen for å utvide bruken av ordning med totalentrepriser som kan sikre raskere planlegging og gjennomføring av store prosjekter? Bygges det store prosjekter – dvs. hele strekninger og lange strekninger – kan det også bygges billigere. Det gir mer vei for pengene. I stikkords form om noen av de øvrige områdene: Driften av veinettet: Er drift adskilt fra bygging lurt? Når kommer det tydelige operative minstekrav til veinettet i Norge? Når det gjelder tilsyn, har regjeringen valgt billigmodellen – et tilsyn under fagetatens egen paraply. Begrunnelsen var kostnader. Er veibrukerne mindre verdt enn andre trafikanter? Lover og forskrifter: Statens vegvesen har mye makt. Årsdøgntrafikk styrer dimensjonering. Det finnes 144 håndbøker, men for få forskrifter. Hva gjøres for å rydde opp i fullmaktsveldet? Da blir spørsmålene til slutt: Hvordan ivaretar samferdselsministeren arbeidet med fornyelse av samferdselssektoren? Og hvilke hovedtiltak for fornyelse arbeider regjeringen med? Eg er med? Eg er glad for å kunna melda følgjande: Vi har no 20 pst. færre alvorlege ulukker på vegane våre enn i 2005. Vi byggjer dobbelt så mange kilometer firefelts veg per år som den førre regjeringa. Vi kan telja opp 30 mil med møtefri veg. Vi ser ein auka kollektivdel i byane – den delen av folket som brukar privatbil, går ned. På jernbanen går punktlegheita opp og forseinkingstimane ned. Det er mange som brukar store ord når det gjeld samferdsel. Regjeringa handlar. Vi ser resultat. Løyvingane til veg og bane har auka med 50 pst. frå 2005 til i år. Det er det same som ein gjennomsnittleg auke på vel 1,7 mrd. kr per år. Løyvingane til Jernbaneverket er auka med nærare 70 pst. Investeringslyftet i Nasjonal transportplan 2010–2019 er det største lyftet for utbygging av transportinfrastrukturen i moderne tid. Det er òg lagt opp til ein vesentleg auke av vedlikehaldet. I budsjettet for 2010 starta regjeringa arbeidet med å fasa inn dei økonomiske rammene i Nasjonal transportplan 2010–2019. Med budsjettforslaget for 2011 held opptrappinga fram, og transport skal vera eit viktig satsingsområde for regjeringa òg i åra som kjem. Vi skal utvikla eit effektivt transportsystem, der infrastrukturen er tilpassa stadig aukande utfordringar og behov.

Basert på dagens utrekningsmodellar vil budsjettforslaget for 2011 stansa veksten i forfallet på riksvegnettet. Enkelte store prosjekt har forseinka framdrift, og her er det i all hovudsak manglande planavklaringar som er årsaka. Det kan verka som om representanten Sortevik meiner at vi i arbeidet med neste NTP ikkje legg vekt på fornying og effektivisering av transportsektoren. Det er feil.

meiner eg at vi er godt i gang. E6 i Østfold vart bygd ut samanhengande. Utbygginga av E18 gjennom Vestfold og E6 mellom Gardermoen og Kolomoen er eksempel på det same – sjølv om plansituasjonen fører til at det ikkje kan gjerast heilt i samanheng. På Vestfoldbanen blir det lagt opp til ei samanhengande utbygging til dobbeltspor på strekninga Holm–Holmestrand–Nykirke. Det blir ikkje berre bygd meir samanhengande enn tidlegare, men òg på kortare tid. Som eksempel kan nemnast E6 Dal–Minnesund, med kostnadsoverslag på godt og vel 2,5 mrd. kr, og byggjetid på to år. Det er ei framdrift som ikkje står tilbake for det vi har sett i OPS-prosjekta. I retningslinene for arbeidet med neste transportplan ber vi etatane og Avinor om å sjå nærare på alternativ organisering av prosjektgjennomføringa. Eit eksempel er I retningslinene ber vi etatane og Avinor identifisera moglege prosjekt som kan vera eigna for det. Kollektivtransporten vil få ein større og meir integrert plass i stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan. Dette gjeld òg det som blir planlagt i regi av andre aktørar. vil i NTP grundig vurdera utfordringane i kollektivtransporten og peika på samarbeidsløysingar. For å få eit heilskapleg og effektivt transportsystem må utviklinga av riksveg- og fylkesvegnettet sjåast i samanheng. Vi ber i retningslinene etatane få fram forhold som det bør takast omsyn til ved utviklinga av eit heilskapleg vegnett, som f.eks. flaskehalsar og Etatane og Avinor har òg fått i oppdrag å gjennomføra ein analyse med utgangspunkt i lokale initiativ knytte til lufthamnstrukturen. Dette vil vera eit ledd i arbeidet med å avklara ei framtidsretta utvikling av Avinor sine lufthamner. I analysen skal etatane og Avinor bl.a. sjå på planlagde investeringar i infrastruktur og konsekvensar for det samla transporttilbodet i området. området. Dei store utfordringane som vi står overfor på jernbanesida, gjer at eg har bedt ei eiga arbeidsgruppe drøfta den vidare utviklinga av norsk jernbane. Gruppa består av dei mest sentrale aktørane i jernbanesektoren. Ho skal laga ein rapport om utfordringane norsk jernbane står overfor, og føreslå korleis desse kan handterast. Rapporten skal vera ferdig 1. november 2011, og vil bl.a. vera eit viktig grunnlag for neste NTP. Det er òg viktig at vi i arbeidet med komande plan har eit så godt grunnlag som mogleg for å vurdera kor mykje ressursar vi skal bruka på transport, og kva for prosjekt og tiltak vi skal bruka ressursane på. Det er viktig at prosjekta er godt planlagde. Vi set i retningslinene krav til kor langt prosjekta skal Vi har bedt etatane – for perioden 2014–2023 – planleggja ut frå ei årleg planteknisk ramme som er 4 mrd. kr høgare enn løyvingane for 2011. Vi ber òg om at det blir planlagt ut frå alternative rammenivå. Med utgangspunkt i den plantekniske ramma skal det gjerast utgreiingar som viser kva vi kan få utretta om ramma er pluss/minus 20 pst. og 45 pst. meir enn den plantekniske Det er i gang viktige utgreiingar om bygging av strategisk infrastruktur, som f.eks. ny teknologisk plattform for signalanlegg på jernbanenettet, utbygging av dobbeltspor i intercitytriangelet og ferjefri E39. Dette er utbyggingar som vil krevja store ressursar. Truleg vil dei måtta strekkja seg over meir enn ein planperiode. I retningslinene ber vi om at det blir gjort greie for ressursbruk og realistiske tidsplanar for slike strategiske utbyggingar – utover den tids- og rammeavgrensinga som blir gjeve for planarbeidet. Vi gjev i dei nye retningslinene klare signal om ytterlegare fokus på vedlikehald av infrastrukturen. Godt vedlikehald er viktig for både framkomst, tryggleik og miljø. Det er jo fyrst når vi får planforslaget frå etatane og Avinor i februar neste år, at vi har grunnlag for å fastsetja kor mykje vi skal bruka til transportføremål framover. Dette vil regjeringa gjera framlegg om i stortingsmeldinga våren 2013. I arbeidet fram mot neste NTP vil eg sjå nærmare på korleis vi kan få enda meir veg og bane utan samtidig å skapa press i økonomien. Ulike økonomiske miljø og organisasjonar har moglegheit til å koma med sine råd. Eg meiner det er spesielt viktig å fokusera på følgjande spørsmål: Pris: Blir eit prosjekt billegare ved å la private stå for planlegging, bygging og finansiering? Plan: Kan vi redusera planleggingstida og ressursbruken ved å overlata ein større del av planlegginga til entreprenør? Produkt: Får vi eit betre produkt ved å la entreprenør planleggja, prosjektera, byggja og vedlikehalda? Press: privat eller offentleg finansiering, korleis skal vi få til eit fleksibelt system som tek omsyn til situasjonen i anleggsmarknaden og den økonomiske situasjonen i landet på kort og lang sikt? Det er viktig for meg at planprosessen ikkje blir eit hinder for å gjennomføra tiltak som er prioriterte i Nasjonal transportplan. Det er ei utfordring for av det høge aktivitetsnivået i transportplanen. Det er ikkje berre planleggingsmidlar som må til, men òg tilstrekkeleg kapasitet og kompetanse. Det er noko etatane arbeider med kontinuerleg. Vi har f.eks. sett i gang eit arbeid i Statens vegvesen sin regi for å sjå på korleis planprosessane kan effektiviserast innanfor gjeldande regelverk. Vi bidreg òg sjølve frå Samferdselsdepartementet i det arbeidet. arbeidet. Her var det òg nemnt nokre forslag eller moment til som eg må få lov til å koma tilbake til, f.eks. samordning og organisering av transportsektoren. Der er kort svaret: Sjølvsagt erfaringar frå andre land både med organisering og finansiering inn mot neste NTP. Eg meiner at vi er godt i gang med å utvikla transportsektoren til eit moderne veg- og jernbanenett. Det som vil bli eit viktig spørsmål, er kva som skal prioriterast fyrst – f.eks. samferdsel eller skattelette? Regjeringa

faktisk tro at det var en viss avlysning av å finne nye finansieringsmetoder. Det er ikke den problemstillingen vi står overfor. Statskassen er breddfull av midler, men når vi velger en løsning hvor nødvendige midler til å bygge helt nødvendig vei og jernbane hvert år skal konkurrere i et tolvmåneders perspektiv mot en rekke utgiftsarter, får vi en knapphet som det egentlig ikke er nødvendig å la seg presse inn i. Det skal bli spennende å se om statsråden makter å oppfylle lovnadene om å finne nye finansieringsordninger. Det jeg refererte til og viste til fra en debatt i 2010, med klare gjør jo at man avventer resultatet av det arbeidet med en smule skepsis. Vi mener at det er nødvendig å få fornyelse, betydelig fornyelse, i verktøybruken, for å få opp tempoet i veiutbyggingen og tempoet i jernbaneutbyggingen. Vi må bruke nytt verktøy. Vi mener faktisk at det er viktig å få en diskusjon om nettopp bruk av slikt nytt verktøy før man lager selve planen. Nå har vi hørt svaret fra statsråden, som i det vesentlige er en beskrivelse av en rekke oppdrag og en rekke forventninger og en rekke muligheter – skal jeg også si – knyttet til utarbeidelse av ny plan. Vi er opptatt av at man avklarer verktøy i god tid før man lager den ganske detaljerte og omfattende planen, og at vi får en avklaring av det på forhånd. Det er noe av det vi etterlyser. Vi har et voldsomt fokus på en tung og omfattende planprosess – kanskje for lite fokus på hvordan vi kan få fornyet verktøyet. Jeg savner fortsatt mer tydelighet når det gjelder viljen til å lete frem og bruke nytt verktøy, enn det som ligger i svaret. Vi mener en fornyelse av samferdselspolitikken er viktig for å få opp tempoet, for at vi ikke skal vente i 30, 40 og 50 år på å få et nytt og sikkert veinett. Vi har uheldigvis eksempler på at det statsråden mener er på gang, slett ikke er på gang. Eksempler på

Eg vel å fokusera på det motsette, altså på å synleggjera og gleda meg over at det faktisk no er betydeleg meir midlar enn for kort tid tilbake, og dermed òg større moglegheiter til å få gjort noko meir. Samtidig er det viktig å identifisera: Kan vi få endå meir veg og bane for pengane ved å innhenta erfaringar og føreta utgreiingar så vi ser at vi gjer dei rette vala framover? Då er faktisk førebuinga av neste NTP ein veg å gå. Det er altså der vi har eit eige prosjekt som innhentar erfaringar frå andre land med finansiering, som ser på det kost–nytte-prinsippet som vi i dag bruker, som òg i eit oppdrag ber Difi om å sjå nærare på organiseringa av transportsektoren både i Finland og Sverige, å sjå om det er noko å henta der. Lat meg seia om finansiering: Alle prosjekt skal betalast, og det som er heilt klart, er at for dei prosjekta som no blir fasa inn i

av bompengar, lokalt bidrag og offentleg finansiering. Og så har vi altså ein prosess som eg har gjort greie for i forhold til finansiering inn mot neste NTP. Så er det nokre saker her, rv. 80, ei bru som blir bygd med fire felt fordi ho skal vara i 80 E6 gjennom Gudbrandsdalen, der vi framleis har som mål ei samanhengande utbygging, men som vi må ta i etappar, som gjer at vi startar no, og så fortset vi på i eigne debattar og spørsmål i Stortinget. Men eg meiner det er all grunn til å gleda seg over at det faktisk no er ei heilt anna offensiv satsing på transport enn for få år tilbake. Kanskje jeg skulle starte med Jan Eggums sang «På 'an igjen», for det er jo det som er realitetene når Fremskrittspartiet masseproduserer representantforslag. Forslagene har stort sett dét til felles at alt er tilbake. Kanskje jeg skulle starte med Jan Eggums sang «På 'an igjen», for det er jo det som er realitetene når Fremskrittspartiet masseproduserer representantforslag. Forslagene har stort sett dét til felles at alt er galt, og at ingenting fungerer. Denne gjentagende triste får vi presentert både på samferdselsområdet og på en rekke andre samfunnsområder. Det får meg til å tenke på tittelen til debutboken til Ari Behn, men det er neppe innenfor parlamentarisk godkjent ordbruk å nevne bokens tittel. Heldigvis er dette bare et politisk spill fra Fremskrittspartiet, for virkeligheten ser ganske selv om vi selvfølgelig ikke legger skjul på at det er store behov på samferdselsområdet. Men det er en grunn til å ta en gjennomgang av realitetene: Statens vegvesen omsetter for 14 mrd. kr mer i 2010 enn i 2006. Vi økte veivedlikeholdet fra 2010 til 2011 med 60 pst. Det hjelper, forfallet stopper.

kombinert med en til tider rabiat pengebruk og jevnlige forslag om milliardbevilgninger utenfor budsjett. Vi er selvfølgelig opptatt av en mest mulig rasjonell utbygging, og det kan en definitivt oppnå i offentlig regi, men det forutsetter selvfølgelig økonomiske ressurser, noe vi har vist vilje til fram til nå og gjennom opptrapping av NTP, som vil gi oss 100 mrd. kr ekstra til samferdsel de neste ti

Derfor vedtok vi i Arbeiderpartiet følgende på vårt landsmøte nå nylig: «Arbeiderpartiet vil at samferdselsprosjekter kan gjennomføres med prosjektfinansiering ved egne utbyggingsselskaper med statlig, fylkeskommunal og kommunalt eierskap.» Vi vil dessuten aktivt søke gode løsninger for å få ned planleggingsperioden, som i mange tilfeller er altfor lang.

Jeg synes Opplysningsrådet for Veitrafikken har sagt det veldig fint. De sier: Kan ikke dere politikere snart slutte å prate om hvor mye mer penger dere nå har brukt på samferdsel enn den forrige regjeringen puttet inn, og heller faktisk begynne å tenke på hvordan dere skal møte behovene? Det er jo nettopp behovene Fremskrittspartiet er opptatt av at vi skal begynne å møte, for det er det folk flest opplever i den virkelige verdenen. Det handler om å stoppe forfallet. Statsråden sa nå at denne regjeringen stopper forfallet. Det har ikke vært resultatet så langt. Jeg tror heller ikke det vil bli resultatet videre utover i 2011 med mindre man skulle få mer penger. Oljeprisen går opp. Det betyr at asfaltprisen går opp, og det betyr sannsynligvis at det blir mindre asfaltering enn det var lagt opp til. Jeg synes det er trist at statsråden ikke hadde et eneste konkret, skikkelig forslag på dette området. Det er mye prat, og mye vil det bli når man i 2013 skal behandle dette. Men vi vet jo hvilke tiltak som fungerer. Vi vet hva andre land gjør. Hvorfor vil ikke regjeringen raskere sette i verk tiltak som både virker og som andre med godt hell har prøvd ut, og som de har visst at fungerer godt?

kapasitet, og da finnes det tydeligvis kapasitet når maskinene står uten å være produktive. Regjeringens eneste nye revolusjon er at et par veiprosjekter og et jernbaneprosjekt har fått lov til å få en post på statsbudsjettet, men det er ikke en post på statsbudsjettet som avgjør om det blir bygd eller ikke – det handler om den politiske viljen og ønsket om å gjennomføre. Det hjelper ikke bare å ha en post på statsbudsjettet. Det handler om at det må være penger der som gjør at man kan drive kontinuerlig utbygging av de prosjektene man har. Det er penger, det er politisk vilje, og det er ikke minst politisk handlekraft som avgjør hva man kan gjøre på samferdselssiden. Statsråden sa også at det er ikke bare penger det står på. Jo, det er det hvis det er politisk vilje. Det er masse ledig kapasitet i resten av Europa, og selskaper står i kø for å komme til Norge og bygge infrastruktur, men da må vi vise at vi faktisk har vilje til å tenke større og til å gjøre større utbygginger. Når statsråden sier at valget handler om skatteletter, veier eller infrastruktur, er det bare politisk retorikk og har man altså tatt inn ca. 6 mrd. kr mer i oljeinntekter enn det man hadde forutsatt i statsbudsjettet – 6 mrd. kr hver måned er mye penger å bygge infrastruktur for. Så det handler faktisk om man har politisk vilje til å bygge infrastruktur, til å tenke nytt, til å se på hva andre land gjør. Kanskje man burde ha gjort som i Danmark, nemlig at når man vedtar noe innenfor samferdsel, så gjelder det faktisk for flere år, slik at NTP ikke bare blir en plan som skal følges opp i de årlige budsjettene, men faktisk blir fulgt opp over flere år. Jeg har innledningsvis lyst til å takke interpellanten for denne viktige interpellasjonen. Det er en viktig debatt, og Jeg har innledningsvis lyst til å takke interpellanten for denne viktige interpellasjonen. Det er en viktig debatt, og jeg er ikke enig med samferdselsministeren som henviser denne type debatter til å være en gang hvert fjerde år, hvor vi altså da skal diskutere den brede samferdselspolitikken. Det er viktig at disse temaene settes på dagsordenen. Dette er en særdeles bred vinkling som også interpellanten har reist i denne interpellasjonen. Det dreier seg jo om fornyelse av hele samferdselssektoren vår. Så faller statsråd Meltveit Kleppa i et av sine svar for fristelsen til å komme med det gamle om at valget dreier seg i grunnen om man vil ha infrastruktur eller skattelette. Da må det jo være et paradoks for denne statsråden at nettopp denne regjeringen drar nytte av en av de skatte- og avgiftsreduksjoner som forrige regjering gjennomførte, nemlig fjerningen av investeringsavgiften. Det beløp seg faktisk til 9 mrd. kr av de 23 mrd. kr totalt som den regjeringen foretok i skatte- og avgiftslette. Det førte til en kjempeinspirasjon og aktivitet i privat sektor, noe som skapte en ny vekst i norsk økonomi, som denne regjeringen har dratt nytte av. Jeg har heller ikke registrert noe ønske fra denne regjeringen om å gjeninnføre investeringsavgiften, men de er veldig flinke til å kritisere at vi gjennomførte det. Der lærte man vel antakelig litt av det famøse forslaget om å innføre konjunkturavgift i en regjering Meltveit Kleppa satt i tidligere. Det er riktig, som Meltveit Kleppa sier, og det har jeg sagt mange ganger fra denne talerstol, pengebruken øker – ja, det er riktig, og vi har vært med på å stemme for hvert øre, og mer til. Spørsmålet vi må stille oss, er: Hva får vi for pengene? Vi får altså mindre for I tillegg har vi et annet fundamentalt problem som jeg har lyst til å fokusere litt på, og det er at på 1980-tallet gikk faktisk 8 pst. av statsbudsjettet til samferdselstiltak. Det har vært en jevnt fallende kurve helt siden da, og nå ligger vi altså på 2–3 pst. Jeg tror det her er fundamentale forhold som vi er nødt til å se på.

og hvordan investeringene besluttes. Da er det vi har sagt at vi bør tilstrebe ordninger som i større grad frikobler samferdselsinvesteringene, slik at de i mye større grad kan konkurrere med privat sektor. Gjør vi det, blir det i makroøkonomiske termer et forhold som mer hører hjemme innenfor det vi kan kalle pengepolitikken, og ikke slik det er i dag, innenfor finanspolitikken. Det er altså en del grep vi er nødt til å ta. Det betyr bl.a. mer helhetlig planlegging, og det betyr større

men avisene viser jo det motsatte, at det er mange som ikke gleder seg. Jeg må nok si til slutt – jeg skal ikke referere fra interpellasjonen – at når det det gjelder det spørsmålet som interpellanten stilte på slutten, har vi ikke fått noe forsøk på svar. Neste taler er representanten Knut Arild Hareide. Presidenten vil benytte anledningen til å gratulere representanten med
det! Eg har lyst til å sende ein stor takk til interpellanten som eg synest tek opp ein særdeles viktig og god debatt, viktig òg ut frå behovet for fornying av sektoren. Eg opplever at dette er eit tema som er med på å foreine Kristeleg Folkeparti og Framstegspartiet. Og ikkje berre det: Eg opplever at det går eit ideologisk skilje

så lita interesse for å sjå på ei reell fornying? Eg synest det er eit paradoks at regjeringa er villig til å ha konkurranseutsetjing både når det gjeld rusmiddelmisbrukarar og barnevernsbarn – det aksepterer ein ut frå ein ideologi – men seier nei frå ein ideologi – men seier nei til konkurranseutsetjing av jernbane. Det synest eg er vanskeleg å forklare ideologisk. Eg synest òg det er vanskeleg å forklare at vi skal vere fornøgde med at det i gjennomsnitt tek ni år å planleggje ein veg i dette landet. Har ein da ein god og reell effektivitet innanfor sektoren? Som klokt stilte spørsmål om her: Får me nok ut av pengane? Det er òg eit paradoks at me, når me har gjort opp dei siste årsbudsjetta, faktisk ikkje har brukt opp pengane innanfor sektoren. Er ikkje det ein god grunn til at me må sjå på korleis me organiserer sektoren? Kristeleg Folkeparti meiner at me bør sjå på ein modell der me organiserer etatane meir som statlege føretak. Det gir moglegheit til låneopptak, og det gir

vi står framfor store utfordringar. Ei kollektivsatsing, som det er heilt nødvendig å få på plass, trur eg ikkje me vil lykkast med med den organiseringa me har i dag. Derfor har Kristeleg Folkeparti føreslått at me skal få der det blir vurdert om me bør ha ein transportetat. Me er nøydde til å sjå på satsinga på veg, jernbane, luft og sjø i ein samanheng, òg fordi me treng satsing innanfor kollektivtransporten. Berre innanfor den regionen me er i no, Oslo og Akershus, kjem me til å ha ein formidabel befolkningsvekst dei neste åra. Da må det kollektive vere hovudverkemidlet for å løyse den utfordringa me har. Da er me nøydde til å sjå på samanhengen mellom veg og bane på ein betre måte enn det me gjer i dag. Det meiner eg er ei av hovudutfordringane mot NTP. Eg trur at dersom me kunne få ein transportetat som hadde sett dette, i tråd med det dei gjer i Sverige, meiner eg at me betre hadde sett heilskapen. Eg sluttar meg til interpellantens ønske om å få til ei fornying. Det treng etaten. Me har vore med på å støtte kvar einaste krone inn i denne sektoren. Samtidig meiner me at det er ei utfordring å få meir igjen for kvar krone me set inn.

når han påstår at fornyelse av samferdselssektoren bidrar til verdiskapingen i samfunnet. Det er slett ikke fornyelse som bidrar til det. Det er utførelsen, gjennomføringen av samferdselsprosjektene, som bidrar til verdiskapingen, og det er effektiviseringen av transportsektoren som bidrar til økt verdiskaping i samfunnet. Tvert om kan en fornyelse av samferdselspolitikken bidra negativt til verdiskapingen i samfunnet, særlig dersom fornyelsen skjer etter den resepten som Fremskrittspartiet av og til foreskriver. Ta f.eks. forslaget om å slippe konkurransen løs i norsk luftfart. Med fri konkurranse mellom flyplassene og med full konkurranse om passasjerene i østlandsområdet kan det faktisk få betydelige negative virkninger for utviklingen i norsk luftfart. Det ville bl.a. bety at også Gardermoen måtte få fri adgang til å konkurrere på lik linje med flyplassene Rygge og Torp. Dermed ville hele Avinor-systemet falt, og og vi ville stått overfor valget mellom enten å legge ned en rekke mindre flyplasser i Distrikts-Norge eller simpelthen å subsidiere dem over statsbudsjettet. Denne type fornyelser bør samferdselsministeren aldri vurdere. Det gjelder for øvrig flere av de forslagene som Fremskrittspartiet har fremmet. Jeg er derimot svært glad for at samferdselsministeren har en så vidt åpen holdning til fornyelsen av norsk samferdsel, og at hun er innstilt på å sette denne fornyelsen inn i sin rette sammenheng, nemlig i debatten om Nasjonal transportplan og revisjonen der. Jeg synes det er viktig at organiseringen av blir drøftet og finner sin naturlige plass i denne sammenhengen. Jeg synes det er naturlig at finansieringen av samferdselsprosjektene blir drøftet og finner sin plass i en slik sammenheng. Jeg synes det er nødvendig at planleggingen og plansystemene finner sin plass i en slik sammenheng. Og jeg er glad for at samferdselsministeren altså har en fordomsfri holdning til disse spørsmålene, og at hun ikke, som Bondevik-regjeringen gjorde i 2001, valser fram med en ideologisk begrunnet omorganisering av store deler av samferdselssektoren, uten faglige og økonomiske begrunnelser. Jeg synes det er veldig viktig at disse spørsmålene blir utredet grundig, slik at vi får anledning til å drøfte dem og ta stilling til dem. Det som skjedde i 2003, har jo fått betydelig virkning for ettertida. Vi har måttet leve med følgene av de vedtakene som ble gjort den gangen, som i realiteten var uavvendelige. Derfor er debatten om prosjektfinansiering, felles transportetat og plansystemet svært viktig, og det er viktig at den føres fram og konkluderes når vi skal behandle Nasjonal transportplan neste gang. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har en del spesielle synspunkter på deler av denne debatten. Jeg har vært en av dem som har kjempet for og ønsket prosjektfinansiering av prosjektene på både vei og jernbane. Jeg har tatt til orde for Jeg har tatt til orde for at man burde fått gjenopprettet en produksjonsvirksomhet, spesielt i veietaten, og jeg har tatt til orde for en felles transportetat. Men det er altså en debatt som jeg vil delta i og komme tilbake til inntil vi fornyer og altså konkluderer disse debattene når vi skal behandle Nasjonal transportplan neste gang.

greit. Bakgrunnen for å reise problemstillingen om fornyelse er at vi har et voldsomt udekket behov innenfor transportsektoren, og vi har nasjonale planer som nå lages for fjerde gang, som viser liten fornyelse, men som derimot viser at det vil ta lang, lang tid før vi er i stand til å møte de store udekkede behovene fra næringsliv og fra folk flest. Til de Ruiter vil jeg si at Jan Eggum er en bra herre, men det er faktisk slik at det er regjeringen som er på’an igjen med fjerdegangs rullering etter i hovedsak det samme mønster, med noen innspill – for å gjøre seg litt politisk lekker – om at man kanskje skal se på noen justeringer. Men vi vet at det som oftest blir med lekkerhetene, og at realitetene ofte blir på’an igjen med det samme gamle. Jeg ser ikke at hovedspørsmålet på noen måte er besvart: Hvilke hovedtiltak for fornyelse arbeider regjeringen med innenfor planlegging, finansiering, organisering, bygging, drift, tilsyn samt lover og forskrifter? Det var varslet på forhånd, så det hadde vært anledning til å berøre de temaene i hvert fall summarisk. Derimot er jeg blitt overbevist om at regjeringen ikke vil bruke en del av de åpenbart nyttige verktøyene som finnes, og det er leit og beklagelig. Fremskrittspartiet vil, og jeg registrerer også at både Kristelig Folkeparti og Høyre vil. Det er jo løfterikt. Vi vil ha kortere planleggingstid, bruk av statlig reguleringsplan, egne investeringsbudsjetter, statlig infrastrukturfond, iallfall vil Fremskrittspartiet det, statlige lån til sektorene, bruk av totalentrepriser, selvstendig tilsyn – mer selvstendig enn det vi har fått – minstestandard på veiene, juridisk ansvar for den som eier veien, for å ta noe. Så til slutt til et helt konkret spørsmål som samferdselsministeren fortsatt har mulighet til å svare på – og som ble reist i hovedinnlegget.

slik at både Statens vegvesen og Jernbaneverket kan få anledning til å bruke en sånn ordning? Eg vil fyrst takka for ein interessant debatt. Eg ser at det er nokre parti her i salen som trur at det berre er å seia svitsj, snu om, omorganiser – med dei konsekvensane konsekvensane det vil ha å endra fokus i forhold til det som eg er oppteken av, og som regjeringa er oppteken av akkurat no, nemleg å byggja meir veg og bane og samtidig utgreia og gå nøye igjennom erfaringar både frå internasjonalt frå norske forhold for å sjå om vi kan gjera ting på ein meir effektiv og betre måte, og dermed få meir veg og meir bane for pengane. Til det siste spørsmålet om rentekompensasjon vil eg seia at det er noko vi kjem tilbake til i dei årlege budsjetta. Så må eg få seia til komiteen sin leiar at eg ynskjer han lykke til med med nye, store oppgåver i tillegg til dei han har frå før, men eg må få minna om at hovudgrunnen til at Lysaker–Sandvika tok så lang tid, nettopp var mangel på løyvingar, mangel på pengar til å følgja opp og sørgja for samanhengande utbygging. No er vi altså i ein annan situasjon enn vi var for få år tilbake – vi byggjer meir samanhengande. Han høyrde ikkje

effektivt transportnett i Noreg i løpet av dei næraste 20–30 åra. Min ambisjon er 20 år. Då er det heilt klart at vi må byggja smartare, vi må ha meir effektiv planlegging, men vi må fyrst og fremst tilføra meir pengar. Så ser eg fram til det oppdraget som Difi har fått med å innhenta erfaringane frå Finland og Sverige med ein felles transportetat. Eg ser fram til dei ytterlegare utgreiingane som er sett i bestilling, som gjeld både organisering og finansiering. Så vil eg seia: Vi har erfaring med tre prosjekt på eigne postar. Men vi møtte oss sjølve i døra rundt årsskiftet med både E6 vest for Alta og

ta opp et viktig spørsmål, som overhodet ikke blir besvart. Så jeg skal stille det igjen: Hva vil regjeringen gjøre for å utjevne de store forskjellene og ulykkesrisikoen mellom fylkene på en slik måte at man sikrer like trygge og effektive veier i alle fylker?

og viser at tjenestekvaliteten på det offentlige veinettet varierer sterkt. Rapporten fikk bred omtale i Aftenposten og flere andre aviser. Dette spriket i veikvaliteten er meget alvorlig for tre avgjørende mål i Høyres og – forhåpentligvis – regjeringens transportpolitikk, det får vi svar på underveis i debatten. Dette gjelder trafikksikkerhet framkommelighet regional utvikling Undersøkelsen dokumenterer kvalitetsforskjellene på hovedveinettet vårt med hensyn til gjennomsnittlig hastighet, som er viktig for framkommelighet og effektivitet, og den dokumenterer overraskende store forskjeller med hensyn til ulykkesfrekvens, som selvsagt relaterer seg til trafikkulykker og til trafikkarbeidet. Tillat meg noen eksempler fra rapporten: Den gjennomsnittlige hastigheten på hovedveiene varierer fra ca. 73 km/t i Hordaland, Vest-Agder, Oslo og Møre og Romsdal til nesten 90 km/t i Vestfold og Østfold og over 80 km/t i Akershus, Aust-Agder og Finnmark. I Nasjonal transportplan kan vi lese at det er et sentralt mål for regjeringen å få redusert reisetiden mellom regionene i NTP-perioden. Og de tiltak som regjeringen satte i verk i 2010, og som vi nå har fått resultatet av, reduserte altså reisetiden på disse veiene med 7 minutter. Paradokset i dette er at regjeringen nylig har vedtatt tiltak om å redusere fartsgrensene, da av hensyn til trafikksikkerhet, på ca. 450 km riksvei, med den konsekvens at reisetiden øker med 40–50 minutter på de samme veiene. Når det gjelder trafikksikkerhet, viser tallmaterialet at det er tryggest på riksveiene i Oslo og Akershus og farligst på riksvegene i Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og deler av riksveiene i Telemark. Det er et sentralt mål for offentlig forvaltning å tilby innbyggerne et likeverdig tjenestetilbud over hele landet, og innbyggerne har krav på samme tjenestetilbud uansett hvor i landet man bor. bor. Med hensyn til transport, som vi diskuterer i dag, hevder altså regjeringen og samferdselsstatsråden å være opptatt av å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem, som skal fremme samfunnets behov for transport, og som også skal fremme regional utvikling.

Typiske distriktsfylker som er tynt befolket, men som har relativt god veistandard, som Hedmark og Finnmark, kommer dårlig ut når det gjelder ulykkesfrekvens. I fylker med dårlig veistandard i form av smale, svingete og bratte veier, som er typisk for den landsdelen jeg kommer fra, er ulykkesrisikoen relativt sett bedre, men det har selvfølgelig også sammenheng med at trafikken går atskillig langsommere. En helhetlig transportpolitikk må etter Høyres mening fremme en veikvalitet som gir god framkommelighet og effektivitet, og selvfølgelig trafikksikkerhet. Tallmaterialet viser at utfordringene er sammensatte og varierte, og at det er behov for en styrket innsats over hele landet. Høyre mener derfor at det må defineres bindende minstestandarder for veikvalitet. Standarden må reflektere et akseptabelt sikkerhets- og framkommelighetsnivå på offentlige veier. Da må det selvsagt være et offentlig ansvar å påse at kravene blir overholdt, og den naturlige konsekvens blir at det må skje gjennom opprettelsen av et uavhengig og fristilt tilsynsorgan med et klart mandat og en klar myndighet. Dette fordrer at det defineres konkrete tiltak ved avvik av minstestandarder, herunder frist for utbedring, begrensninger i bruk – man kan f.eks. innføre kolonnekjøring – eller i verste fall stenging av veien. Overholdes ikke kravene, bør det kunne pålegges sanksjoner og straffetiltak. Slik har vi innrettet samfunnet på veldig mange andre områder, også transportsektoren, så hvorfor ikke når det gjelder veikvalitet? Staten, ved Statens vegvesen, stiller jo ufravikelige krav til kjøretøy, og politiet stiller krav overfor førere, og begge ilegges straffetiltak. Så hvorfor regjeringen nøler med å innføre samme regime overfor ansvarlig veiholder, er litt uforståelig. Vi vet at årsakene til ulykker er noenlunde likt fordelt mellom disse tre årsakssammenhengene: veistandard, kjøretøy og Vi fikk en rapport fra en tragisk ulykke i Alta fra Statens havarikommisjon for transport, og den kan være et godt eksempel i forbindelse med den debatten vi har her i dag. Rapporten viste at spor i asfalten som er nesten 5 cm dype, er uforsvarlig. Denne tragiske ulykken skjedde på fv. 13 i Alta, på en svært sporete vei med relativt høy trafikk, nær 5 000 kjøretøy i døgnet, og det var is og snø i sporene på grunn av at man ikke hadde fått brøytet. Da føreren skulle svinge, fikk hun ikke bakhjulene opp av sporene og skrenset sidelengs inn i møtende kjøretøy. Tre mennesker omkom – tragisk nok. Hastigheten på strekningen var allerede satt ned fra 80 km/t til 50 km/t som følge av den Hva sier så Statens vegvesen om denne type veikvalitet? Jo, Statens vegvesen klassifiserer selv veier med spor på 2,5 cm som svært dårlige. Konsekvensen av dette burde da vært at spordybden ikke skal overstige 2,5 cm, noe som også støttes av en rapport fra Transportøkonomisk institutt, der det går fram at begynnende spor og dype spor på 2,5 cm gir økt ulykkesrisiko. Jeg bare nevner dette fordi jeg synes det er et godt eksempel på at krav til spordybde er en nødvendig minstestandard for veivedlikehold. på trafikkerte veier er et annet eksempel på aktuelle krav. Og ved bygging av nye veier bør det selvfølgelig stilles absolutte krav til stigningsforhold og kurvatur. Nå er det slik at dette ikke er noe som Høyre og resten av opposisjonen er alene om å mene. En rekke organisasjoner, med Opplysningsrådet for Veitrafikken i spissen, krever minstestandarder for veikvalitet og infrastruktur, og at bevilgninger som kan realisere disse kravene, tilføres. Og de krever, som oss, et uavhengig tilsyn som skal påse at kravene følges. Vi tror derfor at veiloven bør revideres. Vi synes det er uakseptabelt stadig å rette søkelyset på ansvaret til føreren, ikke minst i lys av det forfallet vi har hatt på norske veier. Derfor mener vi at det må fastsettes kriterier for når det ikke er forsvarlig å kjøre på en vei, slik at vi unngår ulykker der veistandarden i seg selv er den utløsende faktor. Høyre mener det er på høy tid med en endring av et system, slik vi har det i dag, som tilrettelegger for et økende gap mellom krav til vei og faktisk standard. Rapporten representanten Halleraker viser til, er utarbeidd av Rambøll for Opplysningsrådet for Veitrafikken. Eg vil presisera at det er varierande kvalitet på datasettet frå Nasjonal Vegdatabank, som rapporten byggjer på. I tillegg manglar registreringar for delar av vegnettet. Eg kan difor på grunn av manglande tryggleik i datasettet ikkje gå god for alle indikatorane som blir presenterte. Det er store manglar ved norske vegar i dag. Regjeringa brukar vesentleg meir pengar enn tidlegare, og vegane blir betre. Både drift og vedlikehald av vegnettet er av stor betydning for ulukkesnivået på vegane. Drift av vegnettet skal tilby trafikantane trygg og påliteleg framkomst heile året, vedlikehaldet skal bidra til å sikra god trafikktryggleik, god framkomst, god tilgjengelegheit og godt miljø. Tiltak som varetek trafikktryggleiken, blir prioritert høgast. Det har vore ein sterk auke i midlane til drift og vedlikehald under denne regjeringa. Vi har stadig lagt auka vekt på å vareta det vegnettet vi har. Løyvingane til vedlikehald i 2011 inneber ein sterk auke i aktivitetsnivået, faktisk 60 pst. – 580 mill. kr. Det er det som gjer at vi får stansa forfallet på riksvegane, basert på dagens Dette representerer eit brot i ein langsiktig trend. I regi av Vegdirektoratet er det sett i gang eit arbeid for å kartleggja vedlikehald og etterslep på riksvegnettet og tunnelar og bruer på fylkesvegnettet. Problemstillingane knytte til metodikken er like relevante uavhengig av kven som er vegeigar. Resultatet av arbeidet vil bli omtalt i neste Nasjonal transportplan. Når det er sagt, viser ei fylkesvis samanlikning, som nemnt i interpellasjonen, forskjellar i ulukkesrisiko. Dette kjem bl.a. av at delen av trafikkarbeid som går føre seg på møtefrie vegar – det vil seia vegar med midtrekkverk – er ulik frå fylke til fylke. Det er heilt klart at midtdelarar reddar liv. I nye km. I planperioden 2010–2013 er målet å ferdigstilla 93 km med midtrekkverk. I tillegg er det planlagt å ferdigstilla 23 km firefeltsveg med fysisk skilde køyrebanar i 2011, og 54 km i perioden 2010–2013. Vidare legg vi opp til km riksveg med forsterka midtoppmerking i 2011, og 183 km i heile perioden. Det har vore stilt spørsmål ved dei krava som i dag blir stilte til midtrekkverk, og eg har bede Vegdirektoratet sjå på den grensa som i dag er 8 000 ÅDT, om større fleksibilitet i forhold til større fleksibilitet i forhold til ho, både ved bygging av ny veg og på eksisterande veg. Det er ei vurdering som skal liggja føre i løpet av våren, og som vi skal koma tilbake til. Men etter kvart som det blir investert meir og meir i vegnettet, og etterslepet blir teke igjen, vil dei regionale forskjellane bli utjamna. Den statlege innsatsen for trafikktryggleik er trappa opp dei seinare åra. Det har vi belyst i ulike saker i denne salen no i den seinare tid. Lat meg i dag understreka at det er utarbeidt detaljerte gjennomføringsplanar for dei fyrste fire åra av NTP-perioden, det vil seia for åra 2010–2013. Statens vegvesen sitt som viser kor på riksvegnettet det skal gjennomførast trafikktryggleiksinvesteringar i fireårsperioden. Tilsvarande prioriteringar på fylkesvegar er viste i fylkesvise handlingsprogram for fylkesvegnettet. Så er det ein eigen plan med 152 tiltak som blir følgt opp år for år. bør setjast inn der det er forventa størst gevinst per investerte krone. I stort vil tiltaka som er planlagde for perioden 2010–2013, bidra til ei utjamning i forskjellane i ulukkesrisiko. Likevel må vi innsjå at i oversynleg framtid vil vi måtta leva med ein situasjon der den individuelle risikoen for å bli drepen eller hardt skadd per køyrde km, på ein lågt trafikkert veg enn på ein høgt trafikkert veg med midtrekkverk. Dette er ei viktig påminning om at vi ikkje utelukkande kan byggja oss til ein visjon om null drepne og hardt skadde i trafikken. Det er fleire årsaker til at vegulukker skjer. Det må difor gjerast ein innsats på fleire område for å redusera talet på drepne og hardt skadde. Sverige var i fjor det landet i verda som hadde færrast drepne i trafikken per 100 000 innbyggjarar. Vi har følgt opp Sverige sitt eksempel. Dei har tredobla kontrollane dei ti siste åra, dei har senka fartsgrensa på over 15 000 km veg som ikkje er møtefri. Vi følgjer Sverige sitt på nærmare 500 km veg som ikkje er møtefri. Vi reknar at dette kan bety mellom 10 og 15 færre drepne eller hardt skadde kvart år. Så har TØI andre utrekningar i forhold til fartsgrenser. Det er det som gjer at eg ikkje finn å kunna tilrå, som representanten Halleraker, at vi ser vekk frå slike tal. Vi må redusera fartsgrensene der vi kan oppnå resultat med omsyn til trafikktryggleik. Det er det som gjer at vi f.eks. no har gjeve grønt lys for strekningsvis automatisk trafikkontroll på 40 nye strekningar, sjølv om det kan bety eit minutt eller fem i eller fem i auka reisetid. Vi kan no ut av Årsrapport 2010 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2010–2013 lesa at gjennomsnittsfarten til 85 pst. av alle køyretøy vart redusert ned mot fartsgrensa. Vi veit at det på sikt vil redda liv og bidra til å utjamna forskjellen i ulukkesrisiko mellom fylka. Når det gjeld arbeidet med neste nasjonale transportplan, har alle fått med seg at vi er godt i gang med det, og legg der ein langsiktig strategi for utviklinga av eit effektivt transportnett. Det er òg i den samanhengen vi no har fått ei stamnettutgreiing som

dei vegane som dei overtok. Så fekk dei i tillegg midlar elles – som eg kan koma tilbake til, om det skulle vera nødvendig. Men lat meg understreka at Stortinget har lagt vekt på verdien av ein god standard på det nye eit akseptabelt nivå på veginvesteringane og ein god trafikktryggleikspolitikk i alle fylkeskommunar. Det er framleis eit statleg ansvar å gjera fylkeskommunane i stand til å byggja, drifta og vedlikehalda eit vegnett som er effektivt og sikkert. Her følgjer regjeringa opp år for år. Så må eg få lov til å seia at det er ikkje slik at det i dag ikkje

samferdselssektoren, så det syns jeg på en måte ikke har noe i denne debatten å gjøre. Det vet vi. Veiene blir bedre, sier statsråden. Ja, det er altså ikke det som framgår av de mange rapportene vi får framlagt, og heller ikke bærer mediene særlig preg av det for tiden. Men det som statsråden antagelig sikter til, til, er at regjeringen har lagt et mål i budsjettet for inneværende år om at vi skal stoppe forfallet. Det er antagelig det hun sikter til. Til tross for denne statsrådens gjentatte skryteinnlegg om egen og regjeringens innsats, og andre partiers ditto manglende, viser det seg at trafikantene har et negativt inntrykk av våre riks- og europaveier. Ingen andre offentlige tjenestesektorer møter så massiv misnøye fra innbyggerne, viser en undersøkelse fra i fjor etter oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Samferdsel er faktisk et av de områdene der folk er minst fornøyd. Og etter det som respondentene er opptatt av, de områdene der folk er minst fornøyd. Og etter det som respondentene er opptatt av, veier dette minst positivt. Hele 48 pst. har et negativt inntrykk av riks- og europaveiene. Andre veikategorier skårer også veldig lavt. Jeg syns statsråden kanskje burde kikke litt på dette og se at det er ikke sikkert at bare skryt hjelper, at viljen til å reformere, til handling og til synlige resultater ikke og at folk flest leser dette virkelighetsbildet. Jeg vet ikke hvordan det er med samferdselsministeren, men de fleste andre, tror jeg, ville tatt dette inn over seg og bestrebet seg på å rette opp situasjonen, når man får såpass dårlige undersøkelser om hva folk mener om det man driver med. Men det er jo nettopp her denne regjeringen svikter. Ikke bare svikter den på dette området for seg selv, men gang på gang avviser den også velmente forslag til løsninger fra opposisjonen som kunne bedret forholdene. Når dette da møtes med – jeg vil nesten si – en arroganse, og ofte en særdeles ufullstendig historiefortelling, til det kjedsommelige, går det som det må gå: Man gjennomskues. Jeg syns det er synd. Eg er audmjuk i forhold til den situasjonen som vi i dag ser på mange norske vegar. Eg unnlèt aldri å seia at det er altfor mange dårlege vegar i dette landet. Her er veldig mykje ugjort. Det er store behov framover. Eg må likevel få lov til å gleda meg med dei mange som faktisk dei siste åra har fått ein betre vedlikehalden veg, har fått ein ny veg, over dei prosjekta som er på gang framover. Eg må få lov til å seia at eg er ein smule overraska over nettopp representanten Øyvind Halleraker, som har vore i transportkomiteen, som har vore på Stortinget i fleire periodar, og som ikkje kan ha ei så selektiv gløymsle at han ikkje hugsar tider då det skjedde mindre på dette feltet. Det må vera lov, i all beskjedenheit, å minna om det. Han gjekk sjølv eit tiår tilbake i eit innlegg tidlegare i dag. Det skal eg ikkje gjera, men eg må få seia: Ta utgangspunkt i Oslo for enkelheits skuld sidan det er her vi er. Her føregår altså omfattande forbi Gardermoen for å få til ein meir samanhengande E6. Både på E18 og E6 i Østfold er det vorte utført viktig arbeid. Det same skjer langs Sørlandet på E18 til han skiftar namn til E39, der vi òg kan fortsetja med viktige prosjekt som gjeld til og med rv. 7 til Bergen. Det kan då ikkje ha gått representanten Halleraker aldeles hus forbi? Det må faktisk vera lov å gleda seg over det som skjer. Så må vi aldri gløyma å ta inn over oss at her rom for forbetringar. Det er det vi er i gang med. Etter forvaltingsreforma bruker fylkeskommunane meir pengar på fylkesvegnettet enn før. Eg skal då ikkje irritera med å nemna ein gong til kva som no er gjeve av oppdrag i Retningslinje 2 fram imot

Jeg synes samferdselsministeren på en utmerket måte gjorde rede for de rød-grønne partienes satsing på veier gjennom Nasjonal transportplan, både den store økningen i investeringer og drift og vår satsing på trafikksikkerhetstiltak. Det er som samferdselsministeren sier, det er mye som er ugjort. Men vi er på rett vei, og vi har mye å ta igjen fra tidligere tiders forsømmelser, som mange i denne sal har ansvar for.

Tall fra Trygg Trafikk i januar viser store forskjeller mellom fylkene når det gjelder ulykkesrisiko, dvs. antall drepte i forhold til innbyggere. Hedmark og Nord-Trøndelag ligger på topp i den sammenheng, mens Akershus og Oslo ligger på bunn. Spørsmålet blir: Gjenspeiler dette veistandarden, eller finnes det andre forklaringer? Ifølge trafikkforsker Dagfinn Moe på SINTEF er mye av forklaringen på dødsulykkene i fylker som Nord-Trøndelag og Hedmark veitype og trafikkmengde. Det er mye gjennomgangstrafikk, det er høy fart, og det er mer trafikkarbeid i disse fylkene enn det folketallet skulle tilsi, fordi man har høy gjennomsnittstrafikk. Dette fører til at det blir flere ulykker enn det folketallet skulle tilsi. Ifølge Dagfinn Moe er ikke nye veier og midtrekkverk nok for å hindre ulykker. Han snakker om mentale rekkverk, som er minst like viktig. Folks egen innstilling til ferdigheter i trafikken teller minst like mye som fysiske rekkverk. Så er det den gamle oppskriften: Holder vi fartsgrensene, kjører vi rusfritt, bruker vi bilbeltet, ja, så reduserer vi antallet drepte i trafikken med 50 pst. over natten. Sverige ble brukt som eksempel på et mer trafikksikkert land enn Norge, og vår veistandard brukes som forklaring. I bladet Samferdsel fra mars i år kan man lese en interessant artikkel av Torkel Bjørnskau, forskningsleder ved TØI, om hvorfor Sverige er bedre på trafikksikkerhet. Han peker på tre forhold. Utbygging av møtefrie veier er selvfølgelig en av dem, men de to andre er like viktige. Det andre går på forbedring av trafikksikkerhet for myke trafikanter. Sverige har hatt en sterk reduksjon i antallet fotgjengere og syklister som omkommer i trafikken. fordi de har hatt en kraftig satsing på trafikksikkerhetstiltak som handler om å separere myke trafikanter fra annen trafikk. Et tredje forhold er at økonomiske konjunkturer og trafikkvekst henger sammen. Bedre økonomi i Norge enn i Sverige er faktisk en del av forklaringen, fordi det totale trafikkomfanget påvirkes av konjunkturene. Det har vært lavere vekst i biltrafikken i Sverige enn i Norge etter 1990. Fra 1990 til 2009 hadde de 25 pst. vekst i biltrafikken i Sverige, mens vi i Norge hadde 50 pst. vekst. Ungdom påvirkes ekstra hardt av økonomiske konjunkturer. Norsk ungdom kjører mer enn svensk ungdom og er derfor mer representert i dødsstatistikken enn dem. Sammenligner vi antallet drepte i trafikken i forhold til antallet innbyggere,

Summen av å bygge disse veiene, summen av trafikksikkerhetstiltak på veinettet og summen av det vi har mellom ørene hver og en av oss som bilførere, er det som gjør at vi reduserer trafikkulykkene i Norge. Det er ingen direkte og opplagt sammenheng mellom veistandard og trafikkulykker

Hva vil regjeringen gjøre for å utjevne de store forskjellene og ulykkesrisikoen mellom fylkene på en slik måte at man sikrer like trygge og effektive veier i alle fylker? Heller ikke innen veisektoren skal det være slik at kvaliteten på veien, og dermed sikkerheten på veien, skal avhenge av hvilket fylke man bor i. Det er ikke bare rapporten fra OFV og Rambøll, men også rådgivende ingeniørers rapport – helsesjekken deres på nasjonal infrastruktur – som peker på at det er dårlig standard på veinettet. målte det i 2009. De har også målt det i 2010, og det er fortsatt dårlig på veisiden. Jeg minner også om Folkets veikrav, som kom i 2009. Det er fremdeles langt og lenger enn langt til man når de målene. Ett av dem var at veiene skal være godt vedlikeholdt, at veiene skal vedlikeholdes fortløpende og utbedres når de ikke er i henhold til fastlagt standard. standard. Dette med minstekrav og et helt og fullstendig uavhengig tilsyn har vi berørt i den forrige interpellasjonen. Det står spesielt ille til på fylkesveiene. Det er det Statens vegvesen selv som måler. De har i 2010 målt veier med dårlig eller svært dårlig dekke. På Vestlandet har 60 pst. av fylkesveiene denne dårlige standarden, i Nord-Norge 58 pst., Sørlandet 52 pst., Østlandet 52 pst. og Midt-Norge 44 pst. Totalen er 53 pst. Altså har over halvparten av fylkesveinettet i 2010 dårlig eller svært dårlig dekketilstand. Svaret og kommentaren fra samferdselsministeren til disse tallene,

Regjeringen bevilget en tiltakspakke i 2009. Situasjonen på veinettet over hele Norge er rett og slett ute av kontroll. Det vil gi uoversiktlige kostnader dersom forsømt vedlikehold vedvarer i mange år. Det trengs en tiltakspakke for veivedlikehold, ekstra statlige midler øremerket til ekstra innsats til vedlikehold av fylkesveiene. fylkesveiene. Fremskrittspartiet har nylig fremmet forslag om en straksbevilgning til vedlikeholdstiltak på 4 mrd. kr, fordelt mellom riksveier og fylkesveier. Dokument 8:133 S er nå til behandling i transportkomiteen, og jeg oppfordrer partier som er bekymret for situasjonen på fylkesveinettet, til å støtte dette forslaget fra Fremskrittspartiet om ekstramidler både til riksveier og til fylkesveinettet. Dagens veier er dessverre i dårlig forfatning mange steder. Til tross for regjeringens og samferdselsministerens gjentakelser om at det aldri har vært satset mer på veier, er veiene mange steder blitt dårligere med rød-grønn veipolitikk. Slik sett var hovedsvaret som ble gitt på interpellasjonen her i sted: På 'an igjen. Det var en ny runde med

Staten bør etter Fremskrittspartiets oppfatning ha ansvar for at hele landet får et effektivt, tilgjengelig og sikkert transportsystem. Disse ulikhetene vi ser dokumentert på veinettet i alle fylker, bør det straks gjøres noe med. Samferdselsministeren har fortsatt en mulighet til å fortelle oss hvordan hun vil få bort disse ulikhetene. bort disse ulikhetene. Interpellanten, Halleraker, tar opp en meget viktig sak i dag, som gjelder veistandarden i Norge. Han har et utsagn om at kvaliteten må minske risikoen for ulykker i alle fylker, og det skal likt. Vi er alle enige om at enhver ulykke i trafikken er en tragedie, og at risikoen skal minskes. Så er spørsmålet hvordan vi skal få det til. Vi vet at noe av det skyldes veistandarden. Vi vet at noe skyldes føreren. Vi vet at noe skyldes en rekke faktorer. Men det er ikke bare veistandarden vi kan gjøre noe med. Jeg er glad for at statsråden har tatt opp dette med kjøreopplæringen for ungdom i dag, og fokuserer sterkt på det. Det har jeg også stor tro på. Men det er ikke til å komme forbi at når veistandarden er dårlig, fører det i mange tilfeller til ulykker. Vi har alle en nullvisjon, og den må vi håpe at vi kan komme nærmere. Vi har en standard på veiene i Norge, men vi vet at den ikke er fulgt opp. Er den ikke fulgt opp, er det fordi det ikke har vært midler til det, på den måten vi har brukt midler med hensyn til statsråden til at det bl.a. bygges midtdelere – 25 km i 2011. Ja, midtdelere er veldig bra. Jeg må innrømme at for noen år siden hadde jeg ikke sans for men det er lov til å snu, som det heter. Jeg har endret syn på det; jeg er sterkt for at midtdelere er en av de viktigste tingene for å unngå trafikkulykker. Så svarer statsråden med redusert hastighet, noe jeg har langt mindre sans for. Statistikken som viser dette, er nok – etter min oppfatning etter min oppfatning – ikke helt basert på virkelighet i ett og alt. For det er ikke alltid din egen fart som betyr noe under en ulykke, men det er massen som kommer imot deg, som utgjør mye. Så sier statsråden at veiene blir bedre. Ja, og nei. Jeg hadde gleden av å kjøre fra Oslo til Larvik og tilbake i påsken, og det var en fryd, det skal jeg være enig i. Der har veiene blitt vesentlig bedre. Men halvannen måned tidligere hadde jeg hadde jeg den tvilsomme fornøyelsen av å kjøre fra Steinkjer til Vikna, over høylandet, der det hver dag i snitt passerer 17 trailere med fiskelast. Og med de smale veiene, med de svingene og med det telehivet, så må det være en utfordring av dimensjoner for den som frakter fisken på denne distansen! Så noen veier blir riktignok bedre, men det på denne distansen! Så noen veier blir riktignok bedre, men det er veldig mange som blir dårligere, fordi vi ikke har tatt høyde for den trafikkøkningen som har vært gjennom alle de år, og der tror jeg vi kan ta med mange år. Etterslepet blir nok ikke tatt igjen i løpet av dette året heller, det har jeg ingen tro på, for etterslepet er så enormt, både på riksveier og på fylkesveier, som det er blitt nå i dag. Hva kan vi så gjøre med dette? Jeg skjønner godt at statsråd Meltveit Kleppa uttrykker frustrasjon av og til når man må svare for de dårlige veiene og den dårlige jernbanen i Norge. For ca. ti år siden innførte vi handlingsregelen. Da ble det samtidig sagt at de midlene, de fire prosentene, skal brukes til infrastruktur i Norge og til forskning og utdanning. Vi kan gå etter og se hvor mange prosent som er brukt til infrastruktur. Det er svært lite. Vi har fått en velstandsøkning, ja, på den sosiale siden i Norge, som er enorm i forhold til resten av både Europa og verden, men vi har forsømt oss på infrastrukturen. Og jeg tror ikke vi kommer ut av dette før statsråd Meltveit Kleppa lykkes vesentlig bedre i forhandlinger med Finansdepartementet om å få mer midler til infrastruktur. Så da gjenstår det virkelig å håpe at i revidert budsjett – der man antageligvis er ferdig med forhandlingene nå har statsråden lyktes i å få langt mer over til veiprosjektene våre i Norge. Den siste talaren, Myraune, tok opp ei interessant problemstilling sett nemleg at det har vore ein veldig stor velstandsauke i Noreg, og det er heilt riktig. Men då er spørsmålet: Skal ein då bruka pengane til skattelette, slik som Høgre gjer, eller skal ein heller bruka pengane til vegvedlikehald, slik som regjeringa legg opp til, altså at me faktisk set grenser for velstandsauken for ein del rikfolk for å bruka pengane til fornuftige ting? Der får vel gjerne Myraune problem i eige parti han skal – som den pragmatiske Høgre-politikaren som han er – vera med på å få meir satsing på vegvedlikehald. Problemstillinga som blir teken opp, er nok relevant, men eg oppfattar det litt som om Høgre no er ute etter å konkurrera med Framstegspartiet om å vera mest oppteke av veg. Det trur eg er ein konkurranse dei er

det. Då klarar ein ikkje å konkurrera på økonomi, så då må ein gjera slik som ei ansvarleg regjering gjer, nemleg å finna ut korleis ein skal prioritera. Og det er det dette dreiar seg om. Derfor har denne regjeringa vridd mykje over på vedlikehald. Faktisk har me auka vegsatsinga med 50 pst. i forhold til då Halleraker og Sortevik og Hoksrud styrte landet gjennom budsjetta. Då klarte altså Framstegspartiet i eitt av tre budsjett det fantastiske å plussa på heile 1 mill. kr til vedlikehald! Sett i etterkant er jo det ein stor prestasjon i forhold til debatten her i dag. For det er nemleg slik at her blir det satsa på veg. Det som i grunnen gjorde at eg tok ordet, var Hallerakers vegnormal, eller hans tenking omkring minstestandard. Eg såg for meg Halleraker, og gjerne ein del andre tilsetja eit par tusen for å reisa rundt i landet og måla to centimeter spordjupn på vegnettet i Noreg – å ja, her er det eit problem. Så måler ein det rundt omkring overalt, og så er problemet Burde det ikkje heller vera slik at i staden for at me brukte pengane på måleoperatørar, brukte me dei på nokon som faktisk asfalterte, nokon som var i sitt fylke, som hadde ein bil og kunne bli kontakta – ein vegvaktarfunksjon – og som gav beskjed om at no er det problem med vegen i dette området, dette må du komma og ordna opp i. Det er faktisk mogleg å laga eit slikt system. Men det er ikkje det systemet høgresida vil ha, for høgresida er ideologisk blinda av anbod og konkurranse. Det må vera anbod og konkurranse på alt, og dermed er slike praktiske, pragmatiske løysingar som faktisk verkar, uinteressante. Då skal ein heller ha eit målekorps, i staden for eit asfaltkorps. I forhold til Høgre sin politikk

utgiftene til m.a. vegvedlikehald gjennom at folk kjører tog, bybane og buss. Det vil vera billig, det vil spara pengar. Heilt til slutt tilbake til det ideologiske om tilsyn/asfaltering. Det som er noko av problemet for Framstegspartiet og Høgre og dei borgarlege partia, er det dei gjorde i 2003.

kjøretøy og kjøreatferd. Når det gjelder standard, er det ingen tvil om at veikvaliteten skal opp over hele landet. Det er nødvendig, det er riktig, det trengs. Derfor vedlikeholdes det og bygges i hele landet. Statsråden har ved ulike anledninger vist fram ulike roder igangsatt, som skal igangsettes, eller som ligger i NTP-programmet i siste fase. Det er et storstilt program, og det tar tid for gjennomføringen. Vi vet at det også handler litt om anleggsbransjen og plankapasitet ute. Vi skal også vedlikeholde fylkesveinettet. Fylkeskommunene har tatt hansken, som en del i denne sal var ganske kritiske eller skeptiske til at de kom til å gjøre. Men fylkeskommunene bygger vei som aldri før, og Men fylkeskommunene bygger vei som aldri før, og en del har virkelig tatt et ekstra jafs for å få gjennomført mer av det som var behovet ute. Vi kan godt si at de løser oppgavene på en glimrende måte. Jeg mener det er helt riktig å bruke midlene på grunnarbeid, asfalt og annet vedlikehold i stedet for mer byråkrati. Vi ser av driftskontraktene som er ute, at det er et økende byråkrati i forhold til både bestilling av vedlikeholdsoppdrag og kontroll av utføringen av dem. En burde hatt grove prisøkninger nettopp på den typen arbeid. Jeg tror det er mye bedre å få gjort praktisk arbeid og få tatt det raskt. Derfor skal jeg gjerne modeller som kan sikre at man får gjort nettopp det. Når det gjelder kjøretøy, så vi da komiteen besøkte SINTEF for et år siden, at det er veldig mange ting som kan gjøres med bilparken for å gjøre den sikrere. Det er egentlig kanskje mer vår fantasi som setter begrensninger for hva slags sikkerhetstiltak vi vil innføre, og så er det noen personvernhensyn i den personvernhensyn i den andre enden av det – hvor langt man ønsker å gå med tanke på å plukke ut enkeltbilister i forhold til sikring. Jeg tror ikke det er noen her som er i tvil om at innføringen av bilbeltet har hatt en betydning for sikkerheten for dem som sitter i bilen. Jeg har selv personlig opplevd hvor viktig bilbeltet er for å berge liv. Det er ingen tvil om at det har betydd mye. Det samme kunne man ha sagt om bilstol for barn i bil, så er det kjøreatferden. Vi kan ikke og vi skal ikke frata føreren ansvar for atferd i trafikken. Jeg kjører mye, jeg bor slik til at jeg er nødt til å kjøre mye, og jeg ser med gru på en del av atferden i trafikken. først og fremst respekterer. Man tar uforstandige forbikjøringer som også setter andre i fare. Midtdelere er bra, og det skal vi bygge. Men det er ikke nødvendig på alle veier, og er heller ikke det tiltaket som vil sikre at man ikke får ulykker. Vi har masse utforkjøringer der det bærer ut av veien til tross for at det er sikkerhetstiltak, men fordi farten og uheldige omstendigheter kanskje gjør at man man rett og slett kjører av veien. Kjøreopplæring mener jeg er kjempeviktig. Vi er nødt til å sikre god opplæring som gjør at de bilførerne som skal på veien, faktisk tar det ansvaret det i mange tilfeller er å føre en bil og ha passasjerer. Fartsgrensen må også kontrolleres med ulike tiltak som er skissert både i trafikksikkerhetsplaner og i ulike andre

Vi er nødt til å tenke med det vi har mellom ørene i forhold til både fart, belte og rus. Kun på den måten kan vi sikre at vi er trygge på veiene. Det er ikke ett tiltak, men et sett av tiltak som må til for at vi skal kjøre sikkert på

Venstre mener og har alltid ment at trafikksikkerhet er noe av det viktigste – kanskje det viktigste – vi kan bruke tid og krefter på innenfor samferdselssektoren. Det er mange faktorer som er viktige her: synlig politi, rassikring, biltetthet, som var tema i går da vi diskuterte og selvsagt det som interpellanten tar opp om veistandard, som vi debatterer her nå. Vi vet at vi står overfor et betydelig etterslep på vei. Det har vi hørt at flere har vært inne på. Et tema som imidlertid ikke har vært reist i dag i denne saken, er de nye veiene som etter kort tid blir ødelagt av bl.a. telehiv. Mange av de veiene dette gjelder, ligger i det fylket jeg representerer, nemlig Akershus. Derfor har dette også vært et stort tema i lokalmedia. I Aftenposten den 26. mars kan vi lese om rv. 2 Kløfta–Nybakk, om E18 i retning Stockholm, om E6 på strekningen Gardermoen–Minnesund og nå helt i det siste E16 Wøyen–Bjørum, som ble åpnet i 2009 til en

brukt 210 000 tonn salt på norske veier. Dette er nesten en tredobling siden 1990-tallet. Trolig har det aldri vært brukt så mye salt på norske veier som i vinter. Så jeg vil gjerne utfordre samferdselsministeren på om hun tror at det kan være en av årsakene til den dårlige veistandarden vi har, både på nye og gamle veier. Ellers er det selvsagt skremmende lesning i dagens Aftenposten om at store deler

oss. Når det er samferdselsdebatter her i Stortinget, har debatten et fast mønster. Opposisjonen kommer med kreative forslag om hvordan ting kan gjøres smartere i samferdselssektoren. Alt blir selvsagt avvist og i beste fall – da vi flaks – blir det vedlagt protokollen. Deretter skryter regjeringen over pengebruken og hvor mye mer penger de bruker på samferdsel enn Bondevik-regjeringene, spesielt den siste. De overoppfyller NTP – det hører vi hver gang. Men når vi ser hvordan fellesskapets penger blir brukt, at det går milliarder til reparasjon av nybygde veier, ja da er det ikke rart at trafikantene og skattebetalerne reagerer. Da må det bli litt flaut å skryte av pengebruken, slik det også blir gjort i salen i dag.

ulykker og trafikksikkerhet i en sammenheng. Jeg tror ikke det er noen av oss som vil si at alle veiene i dag har en god nok standard. Det er ingen tvil om at vi har store utfordringer. Mange veier må bli bedre. Det må bygges flere midtdelere, det må legges mer ny asfalt – 95 mil med vei fikk ny asfalt i fjor. Vi følger opp i år. år. Mil etter mil med vei får en ny og bedre standard. Fylkesveiene er hovedpoenget i interpellasjonen. Nå er det sånn at fylkesveiene fikk en ekstra milliard da pengene ble overført. Så er man opptatt av at det ikke kommer penger. Så ropes det på penger fra lokalt hold. Hva skjer f.eks. i Akershus, der Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre styrer? 60 mill. kr av de pengene de fikk ekstra da de fikk overført veiene, ble ikke brukt på vei, de ble satt i fond, og det var veier i Akershus som kunne ha fått nytte av de pengene. I Arbeiderpartiet innser vi at årsakene er sammensatte, men jeg tror ikke det er riktig å si at veistandard ofte er eneste årsak men jeg tror ikke det er riktig å si at veistandard ofte er eneste årsak til en trafikkulykke. I disse debattene undrer jeg meg over at opposisjonen velger å hoppe bukk over det som handler om føreradferd. Statens vegvesen har gjort en dybdeanalyse av alle dødsulykkene fra 2005 til 2009. 54 pst. av ulykkene skyldtes manglende førerdyktighet.

til bedre veier, til ny asfalt, til flere midtdelere, men jeg kunne også ønske at opposisjonen ville være med på å ta debatten om de andre årsakene til trafikkulykker. 54 pst. skyldes manglende førerdyktighet – det er altså flertallet av ulykkene. Først har jeg lyst til å si at det er en kjempeviktig interpellasjon som interpellanten har tatt opp, og et

regime. Så vidt jeg vet, har jo ett av de selskapene som er 100 pst. eid av staten, Mesta, vært ett av de selskapene som har tatt ut mye av pengene som Langeland var opptatt av har vært kostnadsdrivende når det gjelder vedlikehold på veinettet. Til representanten Gorm Kjernli har jeg lyst til å si: Han sier at mil etter mil har fått ny asfalt.

Det er alle enige om, også de partiene som ønsker at man faktisk skal se på noen av de andre virkemidlene, nemlig det som går på veistandard, som er en vesentlig årsak til at ulykkene skjer. Jeg registrerer at rød-grønne politikere i denne sal ikke vil være med på at veiene er en vesentlig årsak til mange av ulykkene. Da synes jeg det er greit å vise til Sverige, hvor man altså har dokumentert at veien er medvirkende årsak til over 70 pst. av ulykkene. Jeg tror ikke det er noe bedre i Norge enn i Sverige, i hvert fall ikke når man ser på veistandarden i Norge kontra Sverige. Så har jeg lyst til å si at akkurat i dag er det lagt fram en rapport fra Statens vegvesen om Nestunnelen, som er en del av riksveinettet, eller det man kaller for stamveinettet, hvor man må utbedre tunnelen på grunn av at betongen rauser ned fra Man trenger 8–10 måneder bare for å gjennomføre strakstiltak, eller 15–18 måneder for mer langsiktige tiltak. Så kan man være litt sånn flåsete og si at i Japan brukte de seks dager på å bygge opp igjen en firefelts motorvei, eller i Sverige brukte man et par måneder på å rydde opp da en firefelts motorvei raste ut. Så det kan være at man kanskje snart må stå opp og begynne stille noen spørsmål om hvordan vi driver på i dette landet. Jeg er glad for at statsråden sier at det er mye gjort. Men statsråden gleder seg med dem som er fornøyde. Det er hyggelig, det, men jeg opplever at det nok er det store mindretallet som opplever den store gleden som statsråden gjør. Det er i hvert fall min erfaring når jeg reiser rundt i hele landet, og ikke minst i mitt eget hjemfylke. hjemfylke. For å sette det inn i perspektiv synes jeg det er interessant når representanten Halleraker tar opp dette med veistandard. På rv. 36, som går fra Porsgrunn til Seljord, skjer det én ulykke hver uke med personskade. Dette er en av de strekningene som det ikke er satt av noe særlig midler til å gjøre noe med de neste ti årene. På samme måte kan man se på kan man se på E18, der man altså får kostnadssprekk på kostnadssprekk, noe som gjør at det kan hende at prosjektene blir utsatt. Og siden statsråden skal opp her nå etterpå, kan jeg jo tenke meg å spørre: Vil statsråden sørge for at ikke bare 400 statlige millioner de siste seks årene i planperioden kommer på plass for å gjøre noe med E18 gjennom Bamble – der det dessverre var en dødsulykke sist helg – men at det kommer på plass 2,5–3 mrd. kr som man trenger for å få den veien på plass? plass? Det hjelper ikke å skryte av at man har puttet på mer penger, man må faktisk gjøre noe med de utfordringene og de prosjektene som ligger der. Det er interessant å vite hva statsråden vil gjøre med det. Da jeg utfordret statsråden på om vi kunne få en bedre ordning som gjorde at vi når staten har ansvaret for at det skjer uhell med bil bl.a., kunne få på plass en ordning som gjorde at det om vi kunne få en bedre ordning som gjorde at vi når staten har ansvaret for at det skjer uhell med bil bl.a., kunne få på plass en ordning som gjorde at det var lettere å få erstatning, skriver statsråden i sitt svar til meg: «Dersom det innføres en ordning hvor trafikantene lettere vinner frem mer erstatningskrav, vil det kunne føre til at noen trafikanter slakker av på aktsomhetskravet og øker kjørefarten.» Det er en holdning overfor bilistene som jeg ikke er enig med statsråden i, og som jeg synes det er trist at statsråden har, Jeg vil takke for debatten, og innlede med et sitat fra nevnte avisoppslag i Aftenposten, da riktignok med statssekretær Bartnes som uttaler seg:

Når det gjelder kollektivpolitikk – til Langeland igjen – må jeg nok si at i denne byen, som altså Høyre har vært med og styre nesten sammenhengende siden 1950-tallet, er det vel ikke så veldig mye å si på kollektivandelen. Den ligger oppe på 80 pst. i rushtrafikken. Så kollektivpolitikk har vi vært borte i før, Den interpellasjonen vi har debattert i dag, tok altså utgangspunkt i en undersøkelse om forskjeller i veistandarden. Som flere har sagt, har vi ikke fått noe svar på hva statsråden akter å gjøre med disse forskjellene, men igjen har vi fått høre at hun ikke vil ha hjelp fra oss i opposisjonen med gode ideer. Så har vi fått en debatt om fylkesveienes tilstand og fortreffeligheten der. Jeg har finlest strategidokumentet fra regjeringen om neste NTP, og her står det faktisk rett ut at rentekompensasjonsordningen skal videreføres, men på samme nivå, altså 2 mrd. kr i året, men inflasjonsjusteres ikke over tiårsperioden. Det vil jo si at det blir betydelig mindre penger

eige prosjekt i regi av Statens vegvesen, Salt SMART, som snart vil bli lagt fram, og som fortel noko om både konsekvensane av og moglegheitene for å salta smartare. Eg er einig med Borghild Tenden i at overdriven salting kan ha medført ulukker. Så nemnde Hoksrud svaret på eit skriftleg

forhold, sett i lys av det som verkeleg bør vera eit felles engasjement. Så har eg ikkje opplevd at nokon her har harselert over nokre dødsulukker. Når vi kan gle oss over at talet på drepne og hardt skadde er redusert, så er det sjølvsagt ei mager trøyst for dei som har mista sine. Vi må aldri gløyma å visjonen om null drepne. Ein fersk rapport om innsatsen for trafikktryggleik viser at dei delmåla som er sette når det gjeld talet på drepne og hardt skadde i trafikken, er vorte nådde raskare enn ein hadde tort å håpa på. Målet for 2014 vart nådd allereie i 2010, viser ferske tal. Det må

de årene. Det var

desember

det må det jo være

Jeg mener også det er

ikke gjøres nok

Stortinget skal da votere. I sak nr. 1 foreligger det ikke noe voteringstema. Under debatten er det satt fram to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Bent Høie på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslag nr. 2, fra Bent Høie på vegne av Høyre